selv har olje- og gassforekomster, ønsker å lære av Norge. Det gjelder måten vi forvalter ressursene våre på, og det dreier seg om hvordan Norge i løpet av sin førtiårige petroleumshistorie har klart å bygge opp sterke klynger av underleverandører til denne industrien. En viktig målsetting med petroleumsaktiviteten vår har vært at den skal komme hele Norge til gode. Det gjør inntektene fra denne virksomheten. Det gjør industri rundt omkring i landet, og vi kan telle på én hånd de kommuner i Norge som ikke har innbyggere som er ansatt innenfor denne næringen. Norsk sokkel er det største offshoremarkedet i verden, og dette betyr mye for fremveksten av leverandørindustri. Videre har norsk sokkel gitt denne industrien et viktig springbrett for å ta markedsandeler andre steder i verden. Faktisk er leverandørindustrien til olje- og gassvirksomheten nå blitt Norges nest største eksportnæring målt i verdi, altså større en prosessnæringen, større enn sjømat og større enn reiseliv. De foreslåtte endringene i petroleumsloven som behandles i denne saken, har skapt debatt. Mange frykter at myndighetenes ønske om lokale og regionale ringvirkninger skal svekkes. ESAs krav om at ordlyden i vår petroleumslov må endres med hensyn til krav til organisasjon og ledelse av er blitt imøtekommet gjennom denne foreslåtte lovendringen, som også Høyre støtter. Endringene vil gjøre lovverket mer i tråd med det som er etablert praksis i Norge, og som et bredt politisk flertall stiller seg bak, samtidig som vi overholder våre forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. På høringen, som ble arrangert av energi- og miljøkomiteen 7. juni i år, var det stort sett enighet om at kravene fra ESA var og at endringene ville ha liten betydning for det som er praksis i Norge. Fokuset på helse, miljø og sikkerhet på sokkelen tilsier i mange tilfeller en lokal tilstedeværelse. Videre har ofte selskapene selv en egeninteresse og økonomisk interesse av nettopp lokal tilstedeværelse; det vil i de fleste tilfeller handle om effektivitet. Det kan stilles krav til organisasjon og baselokalisering med bakgrunn i helse, miljø og sikkerhet, og til at aktørene skal kunne fatte såkalte informerte beslutninger. Dette har også vært gjort gjennom vår førtiårige petroleumshistorie i dialog mellom myndigheter, selskaper og operatører. Bestemmelsene i loven har etter det som kom fram på høringen i denne saken, knapt noensinne vært i bruk. Det viser en konstruktiv holdning fra de ulike partene, og den må vi forvente vil fortsette uavhengig av om ordlyden i petroleumsloven endres noe.

i forhold til skadevirkningene ved en sånn prosess. Ved å unnta åpningsbrevet fra offentlighetens lys innfører en en helt spesiell form for saksbehandling som jeg håper at vi ikke får se igjen. Høyre er opptatt av at flere deler av landet skal få videreutvikle sine industriklynger og skape spennende jobber lokalt. Derfor har vi bl.a. vært tydelige på at vi ønsker en konsekvensutredning og åpning av områdene ved Lofoten og Vesterålen. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan skape aktivitet i et område av landet som er preget av befolkningsnedgang. Derfor har Høyre foreslått bl.a. et infrastrukturfond på 5 mrd. kr til områder ved Lofoten og Vesterålen dersom det åpnes for olje- og gassvirksomhet her, og videre i inneværende års statsbudsjett en bevilgning på 200 mill. kr for å stimulere til kompetanse- og leverandørutvikling, nettopp for å sikre at en petroleumsaktivitet skal få gode regionale og lokale

Men i mange tilfeller handler jo selvråderetten nettopp om åpenhet og frihet. Det er f.eks. helt innlysende at Norges stramme grep om petroleumspolitikken fra dag én har vært en av de mest avgjørende faktorene for at Norge har klart å forvalte sine store oljeforekomster med så stor suksess, med den teknologiutviklingen og alle de titusener av arbeidsplasser som næringen har gitt innenlands. innenlands. Det handler jo ikke om proteksjonisme i negativ forstand, men om det faktum at når en høster av en ikke-fornybar ressurs, bør det være under streng kontroll, og det bør være noe som kommer befolkningen lokalt til gode. Det er – som jeg også snakket om i debatten i forrige uke – ikke en selvfølge internasjonalt. Det finnes mange eksempler på at det motsatte har skjedd. Dette har det vært bred politisk enighet om i Norge, og det har skapt en petroleumssektor som, med rette, på mange områder er et forbilde for andre land. En forutsetning for å greie dette har, som sagt, vært å holde nasjonal kontroll med disse ressursene. Derfor tror jeg det var veldig klokt å gjennomføre en høring om denne saken i forrige uke. Komiteen fikk være vitne til et veldig sterkt engasjement fra mange parter, og en utbredt skepsis, selv i de deler av oljebransjen jeg sjelden kan sies å stå så nært saklig sett. Samtidig sa mange aktører, spesielt fagforeningen Industri Energi, at de valgte å ta OLF, på ordet når de sa at denne foreslåtte lovendringen ikke ville få konsekvenser for arbeidskår og betingelser på norsk sokkel – og huske disse løftene godt. Det slutter jeg meg helt til. Prosesser der Norge i markedets navn må tilpasse sitt lovverk, er ikke noe som i utgangspunktet vekker min begeistring. Det er et standpunkt jeg deler med det overveldende flertallet av landets befolkning som er – og i lang tid har vært – EU-motstandere. I diskusjonen om petroleumsloven er det slett ikke rart at mange blir svært engasjert. Så for å være helt ærlig er det ikke med den største begeistring jeg stemmer for i dag. De færreste tror vel at regjeringen ville tatt seg bryet med å foreslå en slik endring selv, og mange har – med rette – stilt spørsmål om hvorfor ESA ikke tok affære mot den gamle lovformuleringen før nå. Men regjeringen har tatt denne prosessen så langt den kan for å finne en minnelig løsning uten å få anlagt sak mot Norge, og regjeringen påpeker i tillegg at denne lovendringen i første rekke er en tekstlig praksisen. Det understrekes i den nye lovteksten at regjeringen kan stille særskilte krav til rettighetshavers organisasjon i Norge. Og departementet kan pålegge bruk av bestemte baser av hensyn til både ressursforvaltning og helse, miljø og sikkerhet. Det er veldig viktig at disse presiseringene gjøres. Så velger jeg i dag å ta regjeringen på ordet når den sier at dette er en endring i tråd med gjeldende praksis, og jeg velger å ta Oljeindustriens Landsforening på ordet når de sier at dette ikke vil medføre at de tvinger fram endringer i norsk oljeindustri til ulempe for arbeidere, arbeidsforhold og helse, miljø og sikkerhet. Det må vi følge med på. Så vil jeg til slutt legge til at en del av denne debatten hører hjemme tidlig på 1990-tallet, da de ulike partiene tok stilling til EØS-medlemskap. Det er noe av det som enkelte av partiene som i dag stemmer mot denne foreslåtte lovendringen, bør merke seg. Dette var det noen som advarte mot hele veien, og det ligger også til grunn for mitt syn på

Uenigheten sto om hvorvidt Norge har anledning til å stille krav til rettighetshaveres organisasjon og bruk av baser i Norge. Dagens lovtekst sier at rettighetshaverne skal ha en organisasjon som er i stand til å lede petroleumsvirksomheten selvstendig fra Norge samt at petroleumsvirksomheten skal drives fra base i Norge. Dialogen med ESA pågikk i et og et halvt år uten resultat, og endte med et åpningsbrev fra ESA i januar 2010 hvor det ble konkludert med at petroleumsloven § 10-2 er et brudd mot artikkel 31 og artikkel 36 i EØS-avtalen. Siden januar 2010 har regjeringen i all stillhet forhandlet fram en løsning med ESA som innebærer at så godt som alle krav til rettighetshaveres organisasjon og bruk av baser i Norge fjernes. Regjeringen har ikke tatt seg bryet med å informere Stortinget om ESAs åpningsbrev, slik det er etablert praksis for siden 1990-tallet. Etter at forhandlingene var avsluttet, har regjeringen unnlatt å sende saken på høring slik forvaltningsloven og utredningsinstruksen krever. Hvorfor? Statsråden har i brev til Stortinget forklart at årsaken til at Stortinget ikke ble informert om åpningsbrevet, er at regjeringen hadde intensjon Forklaringen på at saken ikke ble sendt på høring i etterkant, er at en var kommet til enighet med ESA om en ordlyd som det ikke var mulig å endre gjennom en høringsrunde. Departementets brevveksling med sivilombudsmannen, som pågikk samtidig som saken lå til behandling her i Stortinget, viser en annen virkelighet. I departementets brev av 11. mai 2011 gis det følgende begrunnelse for å nekte innsyn:
et brev til sivilombudsmannen 11. mai i år, som det er blitt henvist til tidligere, skriver Olje- og energidepartementet: «Et innsyn i nevnte brev fra ESA ville kunne medføre presseomtale av saken eller omtale av den fra andre, og dette var det politisk viktig for regjeringen å forhindre. Dette var ikke minst viktig av hensyn til partigruppene på Stortinget, som lett ville få forfeilede inntrykk av saken dersom den ble galt eller ukritisk omtalt offentlig.» Det

noe vi med tydelighet har merket i ettertid. Hvis det virkelig er slik at de foreslåtte lovendringene bare er en tilpasning til gjeldende praksis, og at de er så ubetydelige at Stortinget og offentligheten ikke trengte å involveres i prosessen, hvorfor har regjeringen da forhandlet med ESA i to og et halvt år om saken? Hvorfor var det da regjeringens intensjon å beholde dagens ordlyd etter at åpningsbrevet fra ESA var mottatt i januar 2010, et og et halvt år etter at dialogen med ESA startet? Og hvorfor argumenterte da departementet som de gjorde overfor sivilombudsmannen, hvis dette ikke var så viktig? Saken taler for seg selv. Jeg har sjelden opplevd lignende pinlige bortforklaring i en sak som er fremmet til behandling i Stortinget. Kristelig Folkeparti ser alvorlig på dette. Kristelig Folkeparti mener at de foreslåtte endringene kan føre til vesentlig mindre lokale ringvirkninger av framtidig økt petroleumsaktivitet i Nord-Norge. Norge står nå overfor en ny epoke innen olje- og gassutvinning. Tyngdepunktet flyttes nordover. Vi skal ha olje- og gassutvinning i Nord-Norge. Befolkningen i nord har store forventninger til aktivitetene og til arbeidsplasser på land. Regjeringens vidtrekkende forslag kan sette en stopper for dette. Jeg tar herved opp Kristelig Folkepartis forslag, referert i innstillingen. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp det forslaget hun refererte til.
frå

Leting, utbygging av funn, drift og produksjon har ført til etablering av arbeidsplasser over hele landet. Her har industrien og myndigheter sentralt og lokalt spilt en viktig rolle. Det er svært viktig at det ikke kan sås tvil om hvorvidt vår lovgivning om organisasjon og bruk av baser er i tråd med våre forpliktelser etter EØS-avtalen, men foreslåtte endringer vil gjøre lovverket og vår praktisering av det mer robust.

Gjennom Goliatfeltet ser vi en utbygging som bidrar til å få petroleumsvirksomheten til å videreutvikle næringslivet i regionen. Goliat bygger videre på å styrke næringsvirksomheten og arbeidsplasser som ble etablert i tilknytning til Snøhvit. Eksemplene illustrerer dagens praksis, som jeg mener det er all grunn til å være fornøyd med. Den foreslåtte endringen av petroleumsloven endrer ikke på Jeg er opptatt av at selskapene gjennom sin petroleumsaktivitet bidrar til lokale ringvirkninger. Det er bl.a. viktig at det legges til rette for kvalifisering av relevante/regionale leverandører, og at det legges til rette for at bedrifter fra landsdelen kan delta i anbudsprosesser. En effektiv base- og driftsstruktur bidrar til lokal og regional nærings- og kompetanseutvikling. Dette er forhold som vil bli grundig Jeg er sikker på at petroleumsaktiviteten også i framtiden vil bidra til mange arbeidsplasser over hele landet, til beste for hele befolkningen. Det har vært mye fokus på prosess i denne saken. Det er uhyre viktig at Stortinget kan stole på et godt beslutningsgrunnlag der alle relevante opplysninger ligger i saken og i Det mener jeg foreligger her. Det skal ikke være nødvendig å sette spørsmålstegn ved om det er gjort. Min erfaring er at det ikke går an å lure Stortinget til å vedta noen verdens ting. Til det har jeg altfor stor respekt for denne forsamlingen. Vi har merket oss sivilombudsmannens begrunnelse når det gjelder åpningsbrevet, og at det er unntatt offentlighet. Vi tar det selvsagt til etterretning. Det vil også være retningsgivende for vår videre praksis. Jeg har også helt avslutningsvis lyst til å presisere at den selvkritikken vi har tatt når det gjelder brevet til sivilombudsmannen, omhandler både formuleringer og innhold. Det blir replikkordskifte.

skriver at saken er spesielt politisk sensitiv for regjeringen, samtidig som regjeringen ved alle andre anledninger etter at det ble en offentlig debatt om det, sa at praktiseringen står fast, at det bare er lovverket som endres – klarer jeg ikke helt å se hva som skulle være så politisk sensitivt. Hva er det som gjorde at regjeringen gikk til det skritt å si at dette var politisk sensitivt – derfor burde ikke partigruppene bli eksponert for medieomtale, for da kunne partigruppene få en feil opplevelse av saken når det er så enkelt som statsråden hevder, at dette bare handler om å tilpasse lovverket til praksisen? Hvor er sensitiviteten i det? Som jeg avsluttet innlegg med å si: Når det gjelder det brevet som gikk fra mitt departement, som jeg har ansvar for, og som har det innholdet det har, er det brev vi har tatt selvkritikk på. Det handler ikke bare om formuleringen, som antydet, men det handler også om innhold. Det gjør at jeg ikke aksepterer premissen i selve spørsmålet hans. Selvsagt er det ikke slik at vi skal holde opplysninger unna Stortinget fordi de oppleves som politisk sensitive. Stortinget skal ha et fullt og komplett beslutningsgrunnlag, og skal kunne stole på at det til enhver tid foreligger fra departementet. Det som var vårt anliggende når det gjelder beslutningen om å holde

representerer. Det at man ønsker å ha god forhandlingsposisjon versus ESA er ikke noe som er spesielt i denne saken. Det vil sannsynligvis gjelde andre saker også, uten at det har betydd at departementer og statsråder har valgt å holde åpningsbrev unntatt offentligheten. Mitt spørsmål til statsråden, som også konkluderte med at det åpenbart var unødvendig å sende saken på høring, i tillegg til at man holdt dette åpningsbrevet unna offentligheten, er: Når statsråden ser alle disse reaksjonene som har kommet i ettertid, kan han se at den vurderingen som ble gjort i departementet, var en feilvurdering i forhold til offentligheten og ESAs åpningsbrev? Det er riktig at det har vært praksis, men ikke en praksis uten unntak, at åpningsbrev fra ESA har vært offentliggjort.

retningsgivende for det arbeidet som vi skal gjøre i framtiden. I to og et halvt år har regjeringen ved Olje- og energidepartementet forhandlet mot ESA i en sak blir sagt bare er en tilpasning til gjeldende praksis. Endringen er så ubetydelig at man ikke trengte å involvere Stortinget på et tidligere tidspunkt, og heller ikke offentligheten. Dette er ikke lett å forstå. For hvis man bruker to og et halvt år av arbeidstiden, skulle man tro at det var viktige saker man forhandlet om, dette ikke bare er en tilpasning til gjeldende praksis. Statsråden sier i sitt innlegg at man ikke sendte saken på høring fordi det ikke var rom for endringer via en høring. Det er nokså spesielt i forhold til høringsinstituttet. Mitt spørsmål er: Er dette egentlig en tilpasning til gjeldende praksis, med to og et halvt års arbeidsinnsats?

Så mitt svar er: Ja, det forslaget til lovendring som nå foreligger, er i tråd med gjeldende praksis; det vil sikre et lovverk som er i tråd med EØS-avtalen. Det vil gi legitimitet til det lovverket og være et godt beslutningsgrunnlag for både Stortinget og regjeringen når vi nå skal i gang med det jeg tror vi alle er enige om, spesielt nordover. Og den aktiviteten skal selvsagt få ringvirkninger på land, som vi har sett at den har fått i andre landsdeler

svar fra sivilombudsmannen som er gjengitt i innstillingen. Der sier sivilombudsmannen at etter ordlyden «gir bestemmelsen ikke adgang til å nekte innsyn på bakgrunn av slike hensyn» – altså slike hensyn som departementet har nevnt. «En praksis lik den departementet har lagt opp til, må i tillegg anses å være i strid med de grunnleggende hensynene bak innsynsretten.» Det betyr i rene ord at dette er et lovbrudd. På den bakgrunn vil jeg gjerne gi statsråden anledning til å beklage dette brevets form og innhold overfor Stortinget. Vil statsråden gjøre det? Som jeg har sagt flere ganger tidligere og fra denne talerstolen akkurat nå, tar departementet og jeg selvkritikk både på brevets form og Så håper jeg det er nok for representanten Høybråten. Men jeg har lyst til å understreke at vår opplysningsplikt overfor Stortinget, det beslutningsgrunnlaget som Stortinget her har fått seg forelagt, er komplett, er tilfredsstillende, slik som det skal være når en regjering og et departement legger fram
Neste replikant

Det verste med dette har jo vært det brevet som ble sendt. Jeg forstår at statsråden tar avstand fra innholdet i det brevet til sivilombudsmannen, for det brevet gir innsyn i en måte å tenke på som er veldig langt fra det man forventer skal være tenkemåten i et norsk embetsverk i forhold arbeidsform. Da er mitt spørsmål til statsråden: Vil statsråden foreta seg noe for å sørge for at embetsverket klarer å få en annen politisk tankegang enn det at man skal holde noe hemmelig fordi det jo kunne komme en politisk debatt rundt en sak før regjeringen har fattet beslutning? Alt som forlater mitt departement, er også mitt ansvar. mitt ansvar. Det betyr ganske enkelt – i hvert fall i mitt hode – at hvis det er ting som må endres, er det mitt ansvar å sørge for at så skjer. Vi har varslet at sivilombudsmannens brev kommer til å være utslagsgivende for vår praksis også i framtiden. Når det gjelder punktet om høring, mitt departement forhandlinger med ESA over en lang periode. Vi kom fram til et forhandlingsresultat. Det var et resultat som vi hadde brukt lang tid på å få fram, og det representerer en slags fasit som vi ikke orienterer Stortinget om, men som vi nå i dag inviterer Stortinget til å vedta. Det vil være slik – det vet sikkert også representanten Solberg – at et ferdig framforhandlet resultat er det svært vanskelig å endre, også gjennom en høringsprosess. Replikkordskiftet er dermed omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Debatten om denne saken har vært ganske omfattende de siste ukene, og det synes jeg faktisk er

Jeg har merket meg at det i debatten om endringer av petroleumsloven har blitt antydet at olje- og energiministeren bevisst skal ha forsøkt å skjule noe i saken. Dette er en virkelighetsbeskrivelse jeg på ingen måte kan dele. Her har departementet vært inne i en forhandlingsprosess med ESA om lovteksten, med det mål å holde lovteksten uendret. Alle forstår at vi ikke er tjent med et stort mediekjør under slike forhandlinger. Derfor forstår jeg at dette har vært vanskelig, at det ikke kunne ha vært gjort på noen annen måte, og at ingen har hatt noe ønske om å holde noe som helst tilbake for Stortinget. Jeg har merket meg at ESA har krevd endringer i lovteksten, men at de ikke har hatt innvendinger mot hvordan Norge har praktisert bestemmelsen. Dette må bety at vi kan beholde vår praksis som hittil. Jeg synes statsråden har redegjort godt for dette her i dag. Jeg har stor forståelse for de innvendingene til lovendringen som har kommet fra høringsinstansene til komiteen, bl.a. fra Troms fylkeskommune, men jeg tror ikke en utsettelse av saken vil tjene til noen bedre løsning – kanskje tvert imot. Det vil uansett være viljen til petroleumsaktivitet og den praktiske gjennomføringen som må være aller viktigst for at vi skal få de ønskede regionale ringvirkningene. Selskapene må forstå at uten tilstedeværelse og uten at de bidrar til regionale ringvirkninger, så får de heller ikke gehør hos innbyggerne for sine ønsker om nye arealer for leting og utvinning. Dette kan ingen lov klargjøre tydeligere. Folk er opptatt av regionale ringvirkninger, og dette synet kan bli avgjørende for tilgangen på nye områder. La meg til slutt uttrykke en smule undring over dem som i denne saken legger for dagen et stort engasjement for regionale ringvirkninger av økt petroleumsaktivitet i nord, men som samtidig er mot økt aktivitet for denne

industrien. Det er til det beste for industrien, næringa sine tilsette, våre folkevalde og samfunnet elles at endringar i eller forslag til nye lover og forskrifter knytte til nettopp denne industrien blir grundig drøfta i det offentlege rommet. Det er derfor svært uheldig at saka ikkje har vore send på høyring

Desse ringverknadene har eit breitt nedslagsfelt og gjeld forskingsinstitutt, leverandørindustri, verft og reiarlag, der mange i dag er blant dei heilt fremste teknologisk og industrielt, òg internasjonalt sett. Det er derfor forståeleg at ein i fleire av desse miljøa ønskjer føreseielegheit for nasjonale krav. Også for aktuelle framtidige landsdelar for petroleumsaktivitet vil dette vere avgjerande for ei positiv tilnærming til opning av nye område. Gjeldande formuleringar i petroleumslova § 10-2 ber i seg tydelege mekanismar for å sikre at Noreg som nasjon kan forme petroleumsverksemda, og at ein der kan bidra til at det blir skapt ringverknader regionalt og lokalt basert på sunn forretningsmessig konkurranse som pris, kvalitet og god HMS-basis. Då er det svært viktig at kompetansen blir bygd opp der han er ønskt og Dersom dette ikkje kjem på plass, vil den føreslåtte endringa av petroleumslova med svekte krav til organisasjon, leiing og lokalisering av basar, kunne medføre mindre lokale og regionale ringverknader av forhåpentlegvis framtidig auka petroleumsaktivitet i Nord-Noreg. Derfor er det så meiningslaust at denne saka ikkje har vore ute til høyring, slik at denne tilpassinga til EØS-lovverket blei vurdert og akseptert, slik ho burde ha blitt. Spesielt er dette ille då statsråden kjem frå Senterpartiet, som skulle ha alle interesser av å setje Distrikts-Noreg og næringslivet der i stand til å handtere dei nye utfordringane som ligg i lovtilpassinga. Framstegspartiet meiner at brevkorrespondansen mellom OED og sivilombudsmannen tydeleg viser at regjeringa bevisst har forsøkt å halde saka skjult for offentlegheita på bakgrunn av innanrikspolitiske for å unngå å få debatt i offentlegheita. Slik mangel på openheit er heilt uakseptabel, og det er all grunn til å spørje seg om dette representerer eit unnatak, eller om det er regelen. Før jeg sier mer om prosessen, to ord om sakens innhold: Denne saken dreier seg om en regjering som uten videre kamp med Brussel gir fra seg et distriktspolitisk verktøy som vi har hatt i den distriktspolitiske verktøykassa i årevis – brukt eller ikke brukt, det har vært der. Etter dagen i dag er det der ikke lenger, og det uten at denne regjeringen som har gått til valg på en større åpenhet i europapolitikken, har praktisert den åpenheten i denne saken. Tvert imot har man forsøkt å legge lokk på saken og skjule den. Det er ikke bra. Statsråden sier at han tar selvkritikk på både form og innhold når det gjelder dette brevet. Jeg skjønner at det er så langt vi kommer i retning av en beklagelse her i salen, jeg skal ikke presse det lenger. Det betyr vel at brevet i etablert politisk ordbruk kan karakteriseres som en glipp. som jeg imidlertid er helt uenig med statsråden i, er at informasjonen overfor Stortinget har vært god nok. Proposisjonen var ikke bedre enn at komiteen ønsket å få en åpen høring om saken, for i tillegg å opplyse saken. Men ikke nok med det – i strid med vanlig praksis har verken statsråden eller utenriksministeren kommet til Stortingets organer eller til Europautvalget i Stortinget og informert om de forhandlingene som var i gang, og det åpningsbrevet som var kommet. Det skjer vanligvis i alle slike saker. Kan man ikke gjøre det i et åpent forum, så gjør man det i Stortingets organer. Det som er situasjonen her, er at statsråden bruker det faktum at man har kjempet i to år for status quo, for å beholde dagens lov, som en begrunnelse for at man ikke har kommet til Stortinget. Da må jeg som medlem av Europautvalget få lov til å opplyse at i de fleste saker som Europautvalget i de fleste saker som Europautvalget blir orientert om, fra fagstatsråder eller fra utenriksministeren, er det nettopp det som er tilfellet. Norge kjemper for å beholde sin lovgivning, sitt regelverk, sine spesielle ordninger. Ellers er det som regel ikke noen sak å få tilpasset norsk lovgivning til EU-regelverket. Derfor holder denne begrunnelsen overhodet ikke, verken saklig sett eller som noen begrunnelse for å ha holdt denne saken unna Stortingets organer. Jeg håper at statsråden har en bedre begrunnelse her i dag enn den han har gitt uttrykk for i brev til komiteen, for det er helt uholdbart og stikk i strid med det som er vanlig praksis i denne typen saker. Dette har vært en omfattende og etter hvert også vanskelig sak, og det er

og Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Det er jo slik at vi har en EØS-avtale, og den må vi forholde oss til. I tillegg vil loven §10-2 gjennom endringen også bedre reflektere den praksis som er etablert i medhold av bestemmelsen som det er bred politisk enighet om. Vi mener også at den nye bestemmelsen bedre reflekterer etablert praksis. praksis. Ikke minst kan en se til erfaringene fra felt som bl.a. Skarv, Snøhvit og Goliat, som viser at nye utbygginger utenfor Nord-Norge gir nye arbeidsplasser og økt aktivitet. Det har vi sett resultatene av. Nye funn, aktiv leting og tildelingspolitikk og mulig åpning av nye arealer skaper optimisme og forventninger til ringvirkninger i landsdelen. Derfor må jeg sterkt beklage den svartmalingen som Kristelig Folkeparti står inne for. I denne situasjonen er det svært viktig at det ikke kan sås tvil om hvorvidt Norges lovgivning vedrørende krav til organisasjon og bruk av baser er i tråd med landets forpliktelser etter EØS-avtalen. Jeg – og vi – mener at den foreslåtte endringen vil gjøre lovverket og Norges praktisering av bestemmelsen mer Selskapene både forstår og må forstå at uten regionale ringvirkninger får de heller ikke gehør for aktivitet i disse områdene. Det er blitt sagt mange ganger fra denne talerstolen, og det kan også sikkert gjentas mange ganger. Så helt til slutt: Det er ikke hver dag jeg siterer fra en professor, men jeg skal gjøre det i denne sammenhengen. I Nordlys 1. juni i år år sa rådgiver og professor ved Universitetet i Nordland Johan Petter Barlindhaug bl.a. følgende – jeg skal bare ta et kort utdrag fra det han sa, og jeg synes man skal lytte til det og høre hva han sa: «De som vil være tunge aktører må etablere seg her. Du kan ikke forstå mørketid, is og fiskere fra et kontor i London.» Det synes jeg var veldig godt sagt, og jeg tror han har helt rett i det han sier.

og dette har vært paragrafens innhold siden unntaksbestemmelsen ble ført inn i 2003. Dagens paragraf sikrer at det fortsatt kan stilles krav om ledelse, samtidig som man gir åpning for unntak. Unntak fra kravet om ledelse er således i tråd med paragrafen og innebærer ikke en praksis som Dersom ESA eller selskapene mener at norsk lov og praktiseringen av den ikke er i tråd med våre forpliktelser i henhold til EØS-avtalen, kan de bringe saken inn for EFTA-domstolen. Så har fortsatt ikke skjedd – mer enn 17 år etter at EØS-avtalen trådte i kraft, og 16 år etter at konsesjonsdirektivet ble implementert i norsk rett. Bevisbyrden etter dagens § 10-2 i petroleumsloven ligger med andre ord på ESA og på selskapene. Slik bør det fortsatt være. Gjennom det historiske faktum, EØS-tilhengernes mange uttalelser om petroleumslovens stilling i EØS-avtalen og behandlingen av denne saken er det ikke godtgjort at den nye formuleringen av § 10-2 som er lagt fram, er den eneste mulige formulering som vil kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. Dette taler for at norske myndigheter bevilger seg mer tid i denne saken og bl.a. ser den i sammenheng med den

petroleumsvirksomheten i nord skal gi like store ringvirkninger på land som den samme virksomheten gir i sør. Kristelig Folkeparti er i likhet med regjeringen opptatt av at det føres en aktiv og målrettet distrikts- og regionalpolitikk som medvirker til nettopp verdiskaping, arbeidsplasser og velferd der folk bor. Regjeringen har virkelig dratt opp forventningene til at petroleumsvirksomheten skal gi nye, store muligheter i nordområdene. I nordområdesatsingen Nye byggesteiner i nord skriver de følgende: «Regjeringen arbeider for å legge til rette for petroleumsbasert sysselsetting og verdiskapning i Nord-Norge. På sikt vil økt petroleumsaktivitet i Barentshavet på norsk og russisk side kunne føre til behov for lokalisering av støttefunksjoner på land. Det vil derfor være nyttig å utrede behovet for ulike alternative baser i Det er riktig at dette var tilfellet da Nye byggesteiner i nord ble skrevet, men dette vil ikke nødvendigvis være tilfellet etter dagen i dag. For den saken vi nå behandler i Stortinget, vil svekke de kravene oljeselskapene i dag møter om å lokalisere virksomhet og arbeidsplasser i Norge. En slik svekkelse vil kunne medføre mindre lokale og regionale ringvirkninger av en framtidig økt Nord-Norge. Så litt til prosessen. I et brev til sivilombudsmannen 11. mai i år, som det er blitt henvist til tidligere, skriver Olje- og energidepartementet: «Et innsyn i nevnte brev fra ESA ville kunne medføre presseomtale av saken eller omtale av den fra andre, og dette var det politisk viktig for regjeringen å forhindre. Dette var ikke minst viktig av hensyn til partigruppene på Stortinget, som lett ville få forfeilede inntrykk av saken dersom den ble galt eller ukritisk omtalt offentlig.» Det er så «ein knapt kan andast». Denne saken går både på tvers av regjeringens ambisjon fra Soria Moria om en tydelig og åpen europapolitikk og regjeringens ambisjoner om å legge til rette for petroleumsbasert sysselsetting og verdiskaping i Nord-Norge. Det er svært overraskende at regjeringen med Senterpartiet som ansvarlig både for distriktspolitikk og olje- og energipolitikk kan bøye seg så til de grader for EU og legge fram en slik lovendring uten så mye som et sukk. Det er

som oppfølging av øvrig petroleumspolitikk. Jeg vil bare si til statsrådens bakkemannskaper her i Stortinget, som på mange måter prøver å bortforklare miseren, at en del av de som snakker varmt om ringvirkninger, får en anledning i morgen når forvaltningsplanen skal behandles, til å gi et velbegrunnet ja når man skal votere, og ikke stemme mot det forslaget som fremmes. Jeg er veldig glad for at vi har en statsråd

Nordnorske fylkeskommuner har gitt uttrykk for hva de mener om denne prosessen, og har gitt viktige innspill. Dette handler om petroleumsnasjonen Norges fremtid. Petroleumsloven har et betydelig handlingsrom. Dette handler ikke bare om selskapenes vilje, det handler også om hva slags ambisjoner myndighetene har – utøvelse av myndighetsfunksjoner – etter hvert som virksomheten kryper nordover. Det grenser til fullstendig passivitet når vi ser hvordan myndighetsutøvelsen også følges opp – eller mangel på oppfølging – i dette spørsmålet. Dette er en veldig stor sak som berører nye deler og hvor man skulle si at det bare skulle mangle at man ikke tar seg bryderiet med å lytte til hva slags inntrykk disse sitter igjen med. Det må ikke bli sånn at inntrykket skal være at risiko skal krype nord, og at verdiskaping skal videreføres i sør. Det skal heller ikke være sånn at man tror at: Jo, vi er for

Det er problematisk når man av og til opplever at de politiske prioriteringene ender opp med at man kun kan prioritere det rød-grønne prosjektet, og må se bort fra alt annet. Det er beklagelig når man opplever at man får mistanke om at her har man underslått informasjon, og man får mistanke om at man kan ha fått svekket mulighetene for å skape lokale ringvirkninger. Den prosessen som har vært her, er ikke heldig, og den har ikke vært med på å skape for stor optimisme nordover. Det er blitt gjort forsøk i denne salen på å koble det mot EØS-avtalen, EU-saken, og lage en liten omkamp på dette. Her har det fra SV vært sagt: Hva var det Vi må være klar over at nasjonal selvråderett faktisk også for en stor del handler om nasjonal saksbehandling og på hvilken måte vi evner å synliggjøre at det vi gjør politisk, skal skape framgang, og at det skal skape sikkerhet for næringsutvikling i landet. Troverdighet på dette punktet er viktig. Troverdighet på dette punktet handler faktisk også om nasjonal Da skaper man klima for god næringsutvikling, og det kan synes som om statsråden har et stykke jobb å gjøre i så måte. Venstre kommer i dag til å stemme for lovendringene som er

kan godt hende at statsråden har fulgt dem her, men poenget med en høring er jo ikke bare å endre, det er også å belyse. Det ville vært helt meningsløst å arrangere høringer i Stortinget under denne flertallsregjeringa hvis poenget var å påvirke og endre, for her blir det ikke endret noe som helst. Men faktisk har høringa og offentlig debatt et poeng i det offentlige ordskiftet, og sånn sett har høringa også viktig for å kunne belyse ting som ikke har blitt belyst på annen måte. Så synes jeg at en flertallsregjering, når det gjelder disse feltene knyttet til åpenhet, knyttet til offentlighet og høring, bør være ekstra varsom og ekstra åpen, ikke ekstra brautende og ekstra lite lyttende, som vi oppfatter dem her. Jeg mener det er ekstra viktig for en flertallsregjering å prøve å tilstrebe mer offentlighet og mer åpenhet knyttet til prosessene. Det er jo heller ikke første gang – som statsråden er godt oppmerksom på, som tidligere medlem av kontrollkomiteen – at sivilombudsmannen påpeker akkurat disse tingene. Han har nok en stor jobb å gjøre med å snu kulturen i eget departement for å sørge for at disse prinsippene

Jeg synes det er flott at det ved en endring av petroleumsloven i alle fall er så mange talere her i denne salen, for dette er egentlig en ubetydelig endring, men vi har fått en god debatt. Jeg har behov for å kommentere noen av påstandene som er framkommet i denne debatten. Representanten Bendiks H. Arnesen sier at han synes det er rart at man legger ned et så stort engasjement når det gjelder ringvirkninger i nord, når man samtidig er mot oljeutvinning i nord. Hvis denne påstanden er myntet på undertegnede og Kristelig Folkeparti, er dette en helt feil påstand i forhold til om vi vil ha oljeutvinning i nord. Kristelig Folkeparti er opptatt av ringvirkninger, og vi er opptatt av å flytte olje- og gassutvinninger i nord, men samtidig sier vi nei til olje- og gassutvinning i de sårbare områdene i nord. Men om vi skal flytte, om vi skal åpne opp Barentshavet, vil morgendagens debatt vise. Representanten Strøm viser til utbyggingene av Skarv, Snøhvit og Goliat og de ringvirkningene som disse utbyggingene har gitt i nord. Det er nettopp fordi det er innenfor dagens lovverk. Disse utbyggingene har skjedd med utgangspunkt i dagens petroleumslov. Derfor er det irrelevant å trekke fram disse som eksempler når det gjelder de

Representanten Serigstad Valen viser til at slaget sto på 1990-tallet, og jeg regner med at det var EØS-avtalen representanten Valen siktet til. Men det er altså slik at i Soria Moria-erklæringen sies det: «Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast, herunder sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen Så representanten Valen og Kristelig Folkeparti er helt overens i denne saken.

for å finne andre muligheter for å kunne ha base og kunne ha organisasjoner i Norge. Dette er nokså oppsiktsvekkende. Dette var fra representanten Lundteigens innlegg i denne sak, og det er det verdt å merke seg. Først noen avsluttende merknader knyttet til prosess. Jeg merker meg med stor interesse den debatten som har gått knyttet til det. Jeg har lyst til å si hvert fall én ting, og det er at det at Stortinget i seg selv velger å arrangere høringer på et forslag som regjeringen legger fram, kan knapt kalles oppsiktsvekkende. Det vil jeg kalle en del av Stortingets ordinære måte å behandle ulike forslag på, og en del av Stortingets selvsagte rett til å hente inn informasjon fra andre kilder enn regjeringen. At det skjer i denne saken, har jeg vanskelig for å karakterisere som Når det så gjelder spørsmålet om Europautvalget skulle vært involvert, er det en skjønnsvurdering. La meg bare si det sånn: Jeg synes at de argumentene som er ført i marken av representanten Høybråten og det som mindretallet i denne salen har skrevet inn i merknads form i er relevante oppfatninger av hvordan denne typen saker kan håndteres i tiden som kommer. Så vil jeg si at alternativet til at vi – altså mitt departement og denne regjeringen – nå har ført forhandlingene med ESA, lagt fram dette alternativet til petroleumsloven § 10-2 overfor Stortinget, er en betydelig prosessrisiko som kunne ha endt med at man ikke hadde hatt en petroleumsparagraf i det som kunne ha endt med at man ikke hadde hatt en petroleumsparagraf i det hele tatt. Det vil jeg mene hadde vært et betydelig tilbakeskritt, og ville redusert vår mulighet til å styre aktivitet nordover betydelig. Da er vi over på framtid.

skal brukes til å gi ringvirkninger på land, til å gi vår nordligste landsdel de samme mulighetene som man har opplevd tidligere. Jeg kan forsikre representanten Kristiansen om at det er et stort engasjement i mitt parti, i hele regjeringsapparatet, for å få dette på plass, og ser man på de byggesteinene som er lagt på plass gjennom de tre siste månedene, tror jeg knapt man vil finne en eneste representant for norsk olje- og gassnæring som ikke deler den optimismen og entusiasmen som jeg nå gir uttrykk for. Jeg skal ikke forlenge denne debatten så mye. Når det er snakk om Kristelig Folkeparti og

prøver å skape pessimisme. Jeg skjønner poenget, for som representanten fra Kristelig Folkeparti sa her i sted, er det faktisk slik at man ikke ønsker noen aktivitet i Nordland VI og VII og Troms II. Det er viktig at man ser framover og ikke prøver å punktere den ballongen. Men det som også fikk meg til å ta ordet, var noe positivt som i hvert fall kom fram i Så kan man gjerne si det kom fra OLF, men de slår fast følgende i sin høring om Prop. 102 L, endringer i petroleumsloven, og jeg skal referere det overfor denne forsamlingen: OLF støtter forslaget til endring i petroleumsloven og legger til grunn ESAs lovforståelse. Så sier de følgende: Lovforslaget viderefører dagens praksis. 2. Forslaget vil ha få eller ingen konsekvenser for petroleumsvirksomheten i Norge. 3. Forslaget vil ikke svekke petroleumsvirksomhetens positive ringvirkninger, verken lokalt, regionalt eller nasjonalt. I denne sammenhengen stoler jeg faktisk mer på OLF enn jeg stoler på KrF. Jeg synes det er viktig å få disse tingene fram,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

Alle prosjektene ligger på Fosenhalvøya, med unntak av delprosjektet fv. 710 Ingdal–Valset, som ligger i Agdenes kommune. Fire prosjekter ligger helt eller delvis i Nord-Trøndelag. Resten ligger i Sør-Trøndelag. I forslaget til bompengeopplegg, som det er lokalpolitisk tilslutning til, er det lagt opp til finansiering av prosjekt og tiltak innenfor delpakkene 1 og 2. Hovedvegnettet på Fosen har lav standard. Vegene er smale og svingete med dårlig sikt og går gjennom lokale bostedsområder. Fosenpakka vil gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet. Sambandet mellom Fosen og Trondheim og kommunikasjon internt på Fosen vil bli bedret, noe som kan legge til rette for en positiv utvikling regionalt. Det samlede kostnadsoverslaget for prosjekt og tiltak i Fosenpakka er om lag 1,7 mrd. kr. Samlet kostnadsoverslag for delpakkene 1 og 2 er om lag 1,3 mrd. 2011-kroner. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til kostnadene for flere prosjekter og tiltak, men det ligger en fleksibilitet i bompengepakken ved at omfanget på utbyggingen kan bli vurdert underveis. Dersom noen av prosjektene blir dyrere enn ventet, vil de lavest prioriterte prosjektene bli tatt ut av pakken, eller omfanget av enkeltprosjektene kan bli redusert. Finansieringen av Fosenpakka er basert på fylkeskommunale midler og bompenger. 75 pst. av investeringskostnadene er forutsatt finansiert med bompenger. Det er planlagt bompengeinnkreving i fergesambandene Brekstad–Valset og I tillegg vil det bli etablert en bomstasjon ved fv. 715 ved Krinsvatn. Det er lagt opp til at bompengeinnkrevingen skal starte så raskt det lar seg gjøre etter at Stortinget har fattet sitt vedtak i dag. Det er videre lagt opp til tovegs innkreving i 15 år. Trafikanter som ferdes både internt på Fosen og mellom Fosen og Trondheim, har nytte av utbyggingen og skal betale bompenger. Komiteens flertall, Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, står bak hvor vi slutter oss til forslaget fra regjeringen om delvis bompengefinansiering av Fosenpakka. Fremskrittspartiet fremmer i saken et eget forslag som, ikke overraskende, går imot bompengefinansiering, og foreslår et annet finansieringsopplegg. Dette regner jeg med at partiets representanter selv vil begrunne i løpet av debatten. Jeg er glad for at et så stort flertall av partiene stiller seg bak dette prosjektet, og vil takke for at vi på en smidig måte har fått til en rask behandling i komiteen – og dermed får fattet vedtak i denne saken før sommeren. På Fosen er de ivrige etter å komme i gang med bompengeinnkrevingen – og dermed sikre en viktig del av finansieringen av prosjektene. På Fosen har de vært så ivrige etter å komme i gang at de allerede er i gang med enkelte av delprosjektene. Fylkeskommunene har tatt risikoen og satt i gang Leksvik–Vanvikan. Forrige mandag var jeg selv til stede på anleggsstarten på fv. 715 Vanvikbakkene. Jeg har til og med fått med meg en bit av snoren som ble klippet på den anleggsåpningen. Her står det: 30-05-11–12. Det betyr 30. mai 2011 kl. 12. Nå blir det «Ei tim’ te’ by’n». «Ei tim’ te’ by’n» er nemlig utbyggingsprosjektenes hensikt, og det er kjørehastighet, framkommelighet og trafikksikkerhet som

Jeg var til stede på det første møtet Fosen regionråd hadde med fylkeskommunene. Jeg husker også at jeg var med på et vegmøtet på Fosen i 2005, hvor Per Sandberg, den gangen nyvalgt leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, var til stede. Han sa: Kjør på og kom med bompengesøknad, jeg vil stemme imot, men resultatet vil være at dere får veg! Siden den gang har jeg vært medlem i styret i bompengeselskapet «Fosenvegene AS – ei tim’ te’ by’n» helt fram til jeg ble stortingsrepresentant. I

Nå blir det «ei tim’ te’ by’n»! Dette er nok en bompengesak i rekken av mange. Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag, som er et alternativt forslag til innstillingen. Fremskrittspartiet er imot bompengefinansiering og vil ha statlig finansiering. Jeg har verken flagg eller banner med meg, men jeg kan istemme saksordførerens beskrivelse av prosjektene og understreke, som hun gjorde, at det er en viktig pakke, og det er mange viktige prosjekter, som vil gi bedre fremkommelighet og sikkerhet i trafikken og bedre forbindelse til Trondheim. Jeg er ikke sikker på at beskrivelsen om at man er så ivrig etter å komme i gang med bompengeinnkreving, er riktig, men man er ivrig etter å få ny vei, og man har tatt inn over seg at denne regjeringen rendyrker utpressingsprinsippet og krever at man betaler lokal ekstra skatt for å få vei. vei. Da har jeg igjen lyst til å minne om at hvis vi ser på inneværende år og året i fjor, statsbudsjettene for 2010 og 2011, er det faktisk slik at merinntekten for staten i de to årene blir på henimot 80 mrd. kr. Da er det faktisk ikke bare snakk om politisk utpressing, men det er på grensen til smålighet og verre enn som så at man tvinger stedlige og lokale og regionale bilister til å betale for staten, når staten beholder pengene selv. Vi er for prosjektene som inngår i pakken. Vi har merket oss informasjonen som vi har etterspurt om veibredden, at den varierer i utbyggingsprosjektet. Vi mener at også i utbedringsprosjekter bør man i størst mulig grad forsøke å få gjennomgående og lik veistandard, slik at man får nødvendig kapasitetsforbedring også i lang tid fremover. Vi har også merket oss at vi har nok en sak hvor ekstra transportskatt gjennom bruk av bompenger sanksjoneres av også de andre partiene enn regjeringspartiene. Det er Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, med tilslutning fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, som vil ha som ikke vil bruke en eneste krone av de 80 mrd. kr som regjeringen nå får ekstra i 2010 og 2011. Også i denne saken ser vi at bompenger er en ekstra dyr måte å finansiere veiutbygging på. Alle vet at kjøp på avbetaling er dyrt. Kjøp av vei på avbetaling er rådyrt. Til prosjektet, som koster

Godkjenning av bompengefinansiering er det bare Stortinget som kan gjøre, fordi slik finansiering, som rett er, anses som ekstraskatt. Etter Fremskrittspartiets oppfatning er nettopp bompenger ekstra skattlegging. Fremskrittspartiet mener derfor det er viktig at det er Stortinget som fatter slike vedtak – hvis de skal fattes. Fremskrittspartiet ønsker ikke en slik beskatningsrett når det gjelder samferdselstiltak, overført når det gjelder samferdselstiltak, overført til fylkeskommunene. Fremskrittspartiet har de samme pengene som de øvrige partiene i denne salen. Prioriteringen er ulik. På spørsmål til samferdselsministeren om hvordan lyntog,

Nå er det en diskusjon om prioritering – hvilke prosjekter man vil bruke pengene på. Fremskrittspartiet er tydelig: Vi vil bruke statens penger til investering i moderne, sikre og miljøvennlige veier og også til oppgradering av dagens jernbane. Representanten Arne Sortevik har tatt opp det forslaget han refererte til. «Ei tim' te' by'n» er

Så det er en viktig dag for fremkommelighet og trafikksikkerhet på Fosenhalvøya for folk som bor og virker der og har arbeidet for dette i lang, lang tid, at vi nå kan få gitt et klarsignal til finansieringsopplegget – for det er det vi skal gjøre – og for denne pakka, og det er hele 17 prosjekter i disse tre delpakkene. Det er full lokalpolitisk tilslutning, bortsett fra Fremskrittspartiet, og det er lagt opp til at vi finansierer delpakkene 1 og 2 i denne omgangen. Nå har saksordføreren redegjort omhyggelig for saken, så det er ikke noen grunn til å gå inn på detaljene i dette. Fra Høyres side registrerer vi at i denne pakken er det foretatt en prioritering mellom prosjektene. Det er mange hensyn som er lagt til grunn, og det er fornuftige hensyn. Det er både kommunikasjonen mellom Fosen og Trondheim, som jeg var inne på innledningsvis, det er stedene for bompengeinnkreving, det er selvfølgelig trafikkgrunnlaget, det er trafikksikkerhet, som ikke minst er viktig, og det er kommunikasjonen internt på Fosen. Vi slutter oss til denne måten å gjøre det på. Prosjektene i delpakke 3 omfatter også utbedring av veiene på Fosen. Men at dette må behandles i en ny runde, har vi full forståelse for. Kostnadsoverslaget på 1,7 mrd. kr samlet og at man vil komme tilbake til prosjektene underveis i forhold til hva man får råd til i fall det skulle komme noen økte kostnader, syns vi er en fornuftig tilnærming som vi slutter oss helt til. Denne pakken er basert på 25 pst. fylkeskommunale midler, og 75 pst. av investeringskostnadene er basert på brukerbetaling, eller bompenger. bompenger. Da syns vi i Høyre at det er helt naturlig å følge fylkeskommunens ønske om å behandle det på den måten som det her legges opp til. Når jeg velger å ta ordet, er Når jeg velger å ta ordet, er det egentlig for å understreke at dette er en gledens dag. Det er en gledens dag for innbyggerne på Fosen, og det er en gledens dag for Sør- og Nord-Trøndelag, som har stått på sammen med en rekke aktører for å finne den løsningen som vi gjør vedtak om i dag. Det er fra saksordføreren gjort rede for saken på en god måte. Det er, som det er sagt, et sterkt engasjement for å få utbedret veistrekninger som i dag er altfor dårlige. Med de 17 prosjektene som ligger i saken, vil man få utbedret en rekke smale og svingete punkt. Man vil ta bort dårlig kurvatur, som sikrer at man får bedre sikt, og at man får en tryggere vei gjennom lokale boligområder. Det er full tilslutning fra Senterpartiet til både finansieringen og opplegget rundt det. Jeg ser det potensialet som Fosenhalvøya nå får i forhold til å være pendlingsomland til Trondheim. «Ei tim' te by'n» gir gode muligheter for å være et godt arbeids- og serviceområde, som gir nye muligheter for vekst framover. Det er en gledens dag,

Det er ikkje så mykje å leggje til det gode innlegget frå saksordførar Susanne Bratli, men Kristeleg Folkeparti sluttar seg fullt ut til innstillinga og framlegget frå regjeringa. Etter at innstillinga frå transportkomiteen kom, kunne vi òg lese at det i Trøndelag var markeringar i media som sa: «Nå skal veinettet bli Et stort spleiselag i Fosen ser nå ut til å kunne nå målet om «Ei time te by’n». Det er altså eit spleiselag med ni kommunar, to fylkeskommunar og òg lokalt næringsliv som har vore med på dette. Ein kan lese at dagleg leiar Vidar Daltveit i Fosen regionråd «dro i gang spleiselaget», og at han smilte breitt då han såg innstillinga. På same måten har eg lyst til å trekkje fram Knut Sundet, som har vore dagleg leiar for Fosenvegene, og faktisk òg saksordføraren, som har ei fortid i denne saka. Dette gjeld framkommelegheit, men òg trafikksikkerheit. Kristeleg Folkeparti har ved fleire anledningar etterspurt saka, og vi er glade for at ho no kjem. Men eg har òg lyst til å vise til kva reklamen seier om Fosenvegene. Der står det: «Med denne løsningen får vi gode veger på Fosen i løpet av en 15 årsperiode. Alternativet er å vente på statlige midler, som vil gi bedre veger tidligst i 2060.» På den annonsen står òg Statens vegvesen. Så det vi trygt kan slå fast, er at eit breitt fleirtal i denne salen ønskjer at vi skal få

Fosen er lite prega av gjennomgangstrafikk. Derfor blir det meste av bompengane betalt av lokalt næringsliv og av lokal befolkning. Bompengedelen i pakka er relativt høg – om lag 75 pst. Samla inneber desse forholda at lokalsamfunnet har teke på seg ei betydeleg oppgåve. Eg legg vekt på at det er brei einigheit i begge dei to fylkeskommunane og i alle kommunane om innhaldet og prioriteringane i Fosenpakka. Det er ein klar styrke ved pakka at ho inneheld ei tydeleg rangering og prioritering av dei 17 prosjekta. Dette gjer det enklare å handtera uføresette forhold som kan oppstå. Slik sett som eit ryddig eksempel på godt fagleg og politisk arbeid. Eg vil ynskja dei to vegeigarane, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune, lukke til med gjennomføringa av Fosenpakka. Det blir åpnet for replikkordskifte. Jeg synes jo at statsråden bør sende atskillig mer enn lykkønskninger. I det Toppe, vær så god.
takk for at bilistene – riktignok gjennom tvang – må ta på seg en ekstraregning når staten ikke vil betale, på mer enn

på hvordan det ser ut når en så rik stat sender lykkønskninger til en lokalbefolkning som blir nødt til å betale for veiene sine selv. Eg har faktisk ikkje behov for dei sterke uttrykka som Arne Sortevik bruker i denne saka. Tvert imot vil eg ta avstand uttrykk som «tvang» og «utpressing» i samband med ei sak som gjeld fylkeskommunale vegar, som gjeld 17 prosjekt. Saksordføraren har gått meir i detalj om korleis dei var førebudde. Eg veit av erfaring, i mitt eige nærområde, den gleda som er knytt til høvet til å få en betre veg.

Toppe, vær så god.

pst. Jeg synes jo egentlig statsråden heller burde kommet med noen penger, og sagt: Ja, vi er med på spleiselaget i hvert fall. Men det eneste man gjør, er at man gir bilistene en dyr finansieringsordning som koster mye penger, og som ikke gir en eneste meter vei. Burde ikke heller statsråden tatt ansvaret sitt og tatt tilbake det veinettet man overtok, sørget for at man hadde fått finansiert og i hvert fall rustet opp det veinettet før man overlot det til fylkeskommuner som burde bruke pengene sine på helt andre ting?

til eit prosjekt som to fylkeskommunar og ni kommunar er einige om å realisera i eit spleiselag med fylkeskommunale midlar og bompengar, og dermed utsetja dette i mange år framfor å gje dei høvet til det som dei sjølve har bedt om – altså seia ja til ein søknad som etter dei retningslinjene vi har, skal behandlast i Stortinget. Eg er ikkje i tvil, og eg er heller ikkje i tvil om kva lokalbefolkninga set mest pris på i denne saka. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

De nye fylkesveiene som ble gitt som gavepakke til fylkene, fulgte og følger det ikke nok penger med, slik at fylkene kan oppgradere veiene så de får normal, god standard. Derfor blir pakken sendt videre til bilistene, og Fosenpakken må man også betale selv. Vi registrerer at bruk av bompenger under denne regjeringen fortsetter med full kraft. De rød-grønne viser ingen vilje til å ta ansvaret for veiene her i landet. Men Høyre og Kristelig Folkeparti følger også bompengevedtakene tett opp, og det skjærer meg i hjertet. At veiene blir oppgradert og utbedret, det gleder mitt hjerte. Og Fremskrittspartiet fremmer utrettelig forslag om at statlig finansiering skal erstatte bruk av bompenger. Jeg erkjenner også igjen at Kristelig Folkepartis leder, og vel kanskje også ministeren, ikke forstår det som landets befolkning forstår klart og tydelig, at dersom man vedtar Fremskrittspartiets forslag i dag,

blir veldig lenge til slagordet, «Ei time til byen», blir en realitet. Da er neste taler Bård Hoksrud, som er siste inntegnede taler.

men vi ønsker å bruke dem på en annen måte. Jeg synes faktisk at istedenfor å bruke dem på luftslott og luftplaner om høyhastighetstog eller lyntog, burde man bruke pengene på det nære og det som er viktig, og det som er viktig for folk flest. Når jeg hører enkeltrepresentanter står på denne talerstolen og sier at innbyggerne og bilistene er kjempeglade for den regningen de nå skal begynne å betale på bomstasjonene, var det i hvert fall ikke slik da jeg var på Fosen.

fordi man bare sender regningen rett videre til bilistene, som vi så det i forbindelse med behandlingen av Aust-Agderpakka. Jeg skjønner at det er stor avstand når det gjelder viljen til å bruke statlige midler til veibygging og infrastrukturbygging, og det er stor forskjell. Man sier man er villig til å bygge lyntog til flere hundretalls milliarder. Vi har de samme pengene, men vi ønsker å bruke dem på å bygge gode, moderne, trygge og effektive veier og modernisere dagens jernbane slik at man får en moderne og effektiv jernbane – men uten luftslott og uten luftdrømmer – og med penger som det er realistisk å gjøre det med. Jeg hørte på statsråden som pratet om inflasjon og viktigheten av å være nøysom og forsiktig. Staten har tatt inn 80 mrd. kr mer enn det man hadde forutsatt i 2010 og i 2011. Hver måned i 2011 har man tatt inn ca. 6 mrd. kr mer i oljeinntekter enn det man hadde budsjettert med. Én måned betyr at man kunne betalt hele bompengeregningen, og da ville mye mer penger gått til vei istedenfor til store finansselskaper og til innkrevingskostnader. Da er neste taler representanten Susanne Bratli, som nå er sist inntegnede taler.

og så skal man diskutere hvordan man skal finansiere det. Men beslutningen er ikke fattet, og vi diskuterer da det som nå handler om årets budsjett. Det er det ene. Det andre er at jeg ikke er så sikker på at alle som har sittet i regjering de siste 50 årene, føler seg bekvem med å bli beskyldt for å være sosialister. Jeg må bare si at jeg føler meg ikke bekvem med å bli beskyldt for å være sosialist. Det kan godt hende at representanten Hallgeir H. Langeland synes det er greit, men jeg tror heller ikke at Senterpartiet føler seg bekvem med å bli betegnet som sosialister. Så det kan nok hende at man bør se i ordboken og faktisk lese hva ordene betyr. Det er det ene ordet. Det andre er at en kanskje også skal se på hva ordet «pakke» betyr. Pakke kan faktisk være noe man bestiller på Internett, som man får tilsendt og må betale for. Men hvis jeg får en gave, er det noe helt annet. Får jeg en julegave, betaler jeg ikke for

men det var et prosjekt som omhandlet de gamle riksveiene og fylkesveiene, med samme bompengeprosent som det vi behandler i dag. Så den eneste endringen er at alle veiene nå er blitt fylkeskommunale. Så helt til slutt bare en liten oppklaring om hva prosjektet faktisk heter. På godt trøndersk, på godt Fosen-mål, heter det altså «Ei tim' te' by'n». Da er neste taler representanten Freddy de Ruiter.

Det eneste som kanskje er spennende, er å høre om Fremskrittspartiet har kommet opp med noen nye ord, noen nye betegnelser. I dag har det vært ekstra transportskatt, det har vært utpressing, det har vært politisk utpressing, det har vært smålighet, det har vært tvang. tvang. Så registrerer jeg også fra representanten Godskesen at bompenger skjærer henne i hjertet. Til det vil jeg si at det er mye som skjærer meg i hjertet med Fremskrittspartiets politikk, som er langt mer alvorlig enn bompenger, men la meg ikke gå inn på det. Representanten Hoksrud viser også til Aust-Agderpakka, hvor en sendte regningen over til bilistene. Min og de flestes oppfatning av Aust-Agderpakka og de grepene vi gjorde der, var faktisk å foreta en byrdefordeling mellom bilistene, og ikke sende regningen over til bilistene. Det var faktisk en deling av en eksisterende bom, bare så det er sagt. Det som er det farlige med Fremskrittspartiets populisme når det gjelder bompenger, er nettopp at

kan finne det forlokkende å samarbeide med Fremskrittspartiet som til de grader fører en så uansvarlig økonomisk politikk. Så jeg har lyst til å utfordre dem på det: Er dere bekvemme med det dere møter daglig her av forslag fra Fremskrittspartiet? Da er neste taler representanten Knut Arild Hareide, og deretter representanten Arne Sortevik. Presidenten tør ikke engang å antyde at han er sist inntegnede taler. Det presidenten i

er på den måten me på Stortinget kan sjå om dette er noko som er ønskt. Det andre er at når eg høyrer Framstegspartiet karakterisere bilistar, høyrest det nesten ut som om bilistar ikkje brukar vegane. Men det er ingen som brukar vegane som bilistane, og som nyt større glede av det. Derfor er òg bilistane fornøgde med dette. Når eg påpeiker 2060, så er det ikkje noko eg sjølv har komme opp med, men dette er opplevinga på Fosen. Med den løysinga som i dag blir skissert frå Stortinget, får dei gode vegar i løpet av 15 år, viss ikkje må dei vente i mange, mange tiår. Derfor støttar Kristeleg Folkeparti fullt opp under den innstillinga som blir vedteken i dag. Fremskrittspartiet driver ikke budsjettbehandling i enkeltsaker. Det gir meg en grei anledning til å minne representantene for regjeringspartiene, og i særdeleshet representanten

i europaveier, i riksveier, og også i fylkesveier etter dagens modell – dagens fylkesveinett. Til slutt til representanten Knut Arild Hareide: Det er slik at bilistene betaler så det svir før bompengeregningene kommer. Når vi avslutter neste sak, har vi behandlet 15 nye regninger til bilistene, og vi snakker om 20 nye milliarder kroner. Men før de regningene kommer på bordet, er det sånn at bilistene i 2011 betaler ca. 55 mrd. kr til staten. De betaler for å kjøpe biler, de betaler for å eie biler, og de betaler for å bruke biler. Utfordringen til bilisten er at en grådig stat, som i tillegg til å være grådig også er ufattelig rik, mener at det er for lite

generasjonsperspektiv, og fremfor alt er det en investering for å gjøre Norge mer konkurransekraftig og sikre bosetning over hele landet. Så vi har vanskeligheter for å skjønne, med ett forbehold, disse stadige angrepene. Det ene forbeholdet går på at dette er smertefullt å få servert hver gang til de partiene som stadig skriver ut ekstra regninger til bilistene. Det er smertefullt å bli minnet om at man skriver ut ekstraskatt når det ikke er nødvendig å skrive ut ekstraskatt. Jeg hadde ikke tenkt å ta ordet i saken, men når komitélederen, Hareide, er såpass synes jeg han må få svar tilbake. Men det er i hvert fall godt å se at også Hareide vedgår at veiene faktisk er der for bilistene. I NTP-perioden 2009–2019 er det altså slik at de tallene vi får fra Samferdselsdepartementet, tilsier at bilistene over tiårsperioden faktisk betaler 700 i skatter og avgifter som er bilrelatert og i transportskatt – bompengefinansiering. Det er godt mulig at Hareide og andre mener at dette ikke er nok når det gjelder å beskatte bilistene i Norge. Men med Fremskrittspartiets øyne er det slik at

at man er veldig lei av at bilistene skal bli brukt som melkekyr i Norge, så forstår jeg den argumentasjonen, men jeg synes den mangler alt av respekt for andre partiers synspunkt og ståsted. Flere har ikke bedt om ordet … Det har representanten Tone Merete Sønsterud gjort.

og også den rød-grønne fløyen blir omtalt som sosialister. Nå er ikke «sosialist» noe skjellsord i min verden, men bare til oppklaring, eller opplæring er vel rettere å si, så er jeg sosialdemokrat, og hvis representanten Godskesen ikke vet forskjell, tar jeg gjerne en prat med henne om det etter at dette møtet er slutt. Men så til Sortevik, og jeg vil vel også si Hoksrud og nå også til slutt Fredriksen: Fredriksen: Representanten Sortevik forteller oss at han ikke driver budsjettbehandling i enkeltsaker. Nei, det har vi for så vidt skjønt. Men uansett hvilke saker vi behandler i denne sal som har med økonomi å gjøre, får det noen budsjettmessige konsekvenser uansett. Nå skal ikke jeg ramse opp alle lovnader og bruk av penger som Fremskrittspartiet har annonsert de siste ukene. Men vi snakker nok om mer enn 80 mrd. kr, som har vært en sum som har blitt brukt her i dag. I bompengesakene vi behandler, har Fremskrittspartiet sine faste merknader, så også i denne saken. De viser til det de kaller oljefondet – det rette navnet er for øvrig Statens pensjonsfond – og de viser også til og forteller oss at å gå ut over handlingsregelen hva gjelder fondet, er veldig bra for framtidige generasjoner. Med Fremskrittspartiets økonomiske politikk ville Fremskrittspartiet sendt regningen til tusenvis av mennesker som jobber i er veldig bra for framtidige generasjoner. Med Fremskrittspartiets økonomiske politikk ville Fremskrittspartiet sendt regningen til tusenvis av mennesker som jobber i eksportrettet næringsliv – ikke slik at de må betale en sum fra egen lomme, men ved at de rett og slett risikerer å miste jobben. Det er alvorlig for dem det gjelder, men også for økonomien totalt sett. Samtidig vil renten gå opp og ramme vanlige folk med hus- og billån. De vil få økte månedlige utgifter. Hvis vi skulle fulgt en økonomisk politikk som setter Norges konkurransekraft og arbeidsplasser i fare, som igjen vil føre til at vi ikke kan ivareta velferdsstatens utfordringer og behov både i dag og inn i framtiden på en god måte, vil det virkelig bety at vi fraskriver oss ansvaret for dem som bor i dette landet, og ikke minst fraskriver vi oss ansvaret for framtidige generasjoner. Når det gjelder regjeringens politikk med hensyn til norsk næringsliv og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

fraktes på E18 gjennom Østfold. Dette er en strekning med stort innslag av tungtransport, og det er hovedtraseen til og fra Stockholm og Baltikum. På den om lag 6 km lange strekningen østover fra Momarken til Hærland er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av veien. Ved Hærland skal det bygges en 150 m lang trefelts tunnel. Resten av strekningen fram til Melleby skal bygges som tofelts vei uten forbikjøringsfelt. Det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. E18 i Østfold har de senere årene hatt en årlig trafikkvekst som er 2,5 pst. høyere enn landsgjennomsnittet. I denne saken legger regjeringen fram forslag om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Melleby–Momarken, inkludert finansiering av tiltak på eksisterende E18 og sideveier langs E18. Anleggsstart er planlagt tidlig i

E6 gjennom Østfold sto ferdig som firefelts vei i 2008. Bompengeinnkrevingen på E6 startet i 2001. I forbindelse med behandlingen av opplegget for utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby–Knapstad ble det i 2006 vedtatt å forlenge innkrevingsperioden fra 15 til 20 år på både E6 og E18. Videre utbygging av E18 gjennom Østfold ble behandlet i forbindelse med Nasjonal transportplan 2002–2011 og Nasjonal transportplan 2006–2015. Stortinget har senere sluttet seg til 15 til 20 år på både E6 og E18. Videre utbygging av E18 gjennom Østfold ble behandlet i forbindelse med Nasjonal transportplan 2002–2011 og Nasjonal transportplan 2006–2015. Stortinget har senere sluttet seg til ulike opplegg for forsering av enkeltprosjekter. Østfoldpakka har bidratt til at veistandarden på den 58 km lange strekningen på E18 gjennom Østfold er blitt vesentlig bedret de siste årene. E18 er nå bygd ut som tofelts vei mellom Ørje og Melleby, og som firefelts vei fra Momarken til Knapstad. tre delstrekninger: Riksgrensen–Ørje 6,6 km Melleby–Momarken, som vi behandler her i dag, 8,3 km Knapstad–Akershus grense 6,0 km Det foreligger ikke planavklaring for strekningen Riksgrensen–Ørje. Det er stor usikkerhet til kostnadene ved utbygging av denne strekningen. For strekningen Melleby–Momarken foreligger det godkjent reguleringsplan. Det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring. For strekningen Knapstad–Akershus grense foreligger det godkjent kommunedelplan.

I de nye bomstasjonene er det lagt opp til 15 års innkreving i hver stasjon. Dette innebærer bompengeinnkreving i perioden 2001–2030, til sammen 29 år. Et samlet bompengebidrag utgjør om lag 7,4 mrd. kr for E6 og Regjeringen understreker at finansieringsopplegget for E18 Riksgrensen–Ørje ikke innbærer at regjeringen har tatt stilling til en utbygging av strekningen. Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av dette i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan. Det er positivt at det er lokalpolitisk tilslutning til prosjektene. Det er sterkt lokalt engasjementet i Østfold for en forsert utbygging av E18 gjennom fylket. De ulike vedtak som er gjort de siste årene, både lokalt i kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad og Marker, i Østfold fylkeskommune og sentralt på Stortinget, uttrykker ønske om å få utbyggingen til. Regjeringen ønsker å unngå stans i byggingen av E18. Flertallet understreker at det ikke er slik statsråden har hevdet i E18. Flertallet understreker at det ikke er slik statsråden har hevdet i media, at traseen Melleby–Momarken sikrer forløpende utbygging. Det har siden siste traséåpning, strekningen Krosby–Knapstad i november 2010, vært stillstand i byggearbeidene på strekningen. Jeg tar opp det forslaget som er fremmet av

Det rød-grønne flertallet har vært opptatt av å bidra til en raskere og mer sammenhengende utbygging av E18 til Sverige enn det som ble lagt til grunn da Nasjonal transportplan ble lagt fram våren 2004. I november åpnet statsministeren og samferdselsministeren nye E18 fra Krosby til Knapstad. Vi er med andre ord på god vei til å nå målet.

Prosjektet omfatter en 8,3 km lang E18-strekning i Eidsberg kommune i Østfold, som skal stå ferdig i 2014, som saksordføreren redegjorde for. Den nye veien skal bygges som tofelts vei med midtrekkverk på hele strekningen. På de 6 km nærmest Momarken er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av veien. Det skal altså bygges en 150 meter lang tunnel ved Hærland, der det blir trefelts vei. Jeg har merket meg at opposisjonen er kritisk til at det ikke bygges firefelts vei på strekningen, men jeg vil understreke at antall biler i døgnet på strekningen Melleby–Momarken i dag varierer mellom I dimensjoneringsåret, 20 år etter planlagt trafikkåpning i 2014, forventes en årsdøgntrafikk på om lag 10 500 kjøretøy fordelt på om lag 8 000 kjøretøy på ny vei og om lag 2 500 kjøretøy på eksisterende E18. Årsdøgntrafikken er med andre ord ikke høy nok til å forsvare firefelts vei. Jeg må også understreke at i tillegg til at den nye traseen som nå skal bygges som hovedsakelig tofelts vei med sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider, skal den gamle traseen fortsatt være i bruk. Så dette er et fullt ut forsvarlig opplegg. Som saksordføreren også var inne på, har det vært et sterkt lokalt engasjement i Østfold for en forsert utbygging av E18 gjennom fylket. Dette er et bompengeopplegg med sterk lokalpolitisk tilslutning. Jeg vil også bemerke at det statlige bidraget er

enn det de ville ha vært dersom man hadde gjort det med en gang. Fremskrittspartiet foreslår derfor at veien skal bygges ut som full firefelts vei med en gang, og at den skal fullfinansieres med statlige midler. Dessverre er det også et par andre svært store «men» som kommer svært klart og tydelig fram i denne saken. Det første er selvfølgelig den svært dyre måten å bygge vei på som man legger opp til i denne saken,

I tillegg skal bilistene betale ytterligere 500 mill. kr i innkrevingskostnader og ytterligere 1,7 mrd. kr i rentekostnader for Østfoldpakka. Det innebærer at bilistene som bor eller som vil kjøre gjennom Østfold, skal betale 2,2 mrd. kr i rente- og innkrevingskostnader på toppen av de over 5,2 som Østfoldpakka legger opp til i bompenger. For å sette dette i perspektiv: Det betyr faktisk at man i rente- og innkrevingskostnader skal betale for å bygge ut E18 Melleby–Momarken to ganger uten at det blir en eneste meter ny vei – uten at det blir en eneste meter ny vei. I innstillingen skriver Høyre og Kristelig Folkeparti at de mener at regjeringen bygger ved ikke å bygge firefelts motorvei og dobbel tunnel med to felt i hver retning på strekningen. Det er jeg helt enig i! Da blir det jo litt rart at de to partiene kommer til å stemme imot forslaget fra Fremskrittspartiet som ligger til behandling i saken, om full firefelts motorvei på strekningen. Men jeg vil i hvert fall ta opp Fremskrittspartiets forslag i saken om å få bygd en full firefelts motorvei. motorvei. Så må jeg litt innom representanten Sønsteruds innlegg i forrige sak. Vi er også veldig klar over at det nå heter Statens pensjonsfond – og man kaller det både utland og andre ting. Men det er altså «oljefondet» man bruker til daglig, og som folk kjenner seg igjen i. Det er ikke sånn at disse pengene er satt av til pensjon i fremtiden. Men det var en veldig fin måte å sørge for at det ble slutt på at man Derfor var det ålreit å begynne å kalle det Statens pensjonsfond. Når jeg hører på flere av representantene her, høres det ut som om man er i ferd med å sette økonomien over styr. Da synes jeg det er viktig å ha med seg hva næringslivet sier, og hva representanten Anne Marit Bjørnflaten sa i sted: Samfunnsgevinsten kan være på rundt 21 mrd. kr for næringslivet og samfunnet ved å få bygd ordentlig og skikkelig vei. Bergen Næringsråd sier at man fint kan investere i infrastruktur uten at det får noen store, drastiske konsekvenser. Eller som jeg opplever når jeg er rundt og prater med folk i næringslivet: De skjønner ikke det politiske flertallet. De forstår ikke at man ikke er villig til å bruke mer penger på å investere i infrastruktur. Det er sånn de gjør det i næringslivet. Når de skal komme videre, investerer de penger for å skape mer verdier i

Det er trafikkvekst, som saksordføreren har vist til, og det har vært og er et sterkt og vedvarende engasjement fra Østfold, både fra kommunene og fra fylkeskommunen, for å få realisert strekningen vi nå skal gjøre vedtak på. Utallige telefoner fra Østfold for å få realisert dette prosjektet har blitt meg og del. Jeg nytter anledningen til å sende en hjertevarm gratulasjon til lederen av samferdselsutvalget i Østfold fylkeskommune, Per Inge Bjerknes, som har vært særdeles aktiv. Med dagens vedtak på Melleby–Momarken får man realisert 8,3 km E18, som vil gi en trafikksikker og god vei. De to neste parsellene som da gjenstår, vurderes i rulleringen av NTP 2014–2023, eller før hvis de nødvendige avklaringer er foretatt. Østfoldpakken ga i sin tid et vesentlig bidrag til å få økt standarden på veiene i fylket. Det ser man nå resultatet av for fullt. Dette er å bygge landet, og Senterpartiet gleder seg i dag sammen med Østfold,

gode innleiinga frå saksordførar Ingjerd Schou, som gjorde veldig god greie for saka. Eg har berre lyst til å kommentere to ting. Det eine er at Kristeleg Folkeparti er med på realisere fortløpende og ferdig utbygging av E18 Vinterbro–Sverige/Riksgrensen finansiert gjennom offentlig privat samarbeid Det er fordi denne vegen, E18, er sjølve kroneksemplet på kor gale det kan gå når ein byggjer ut stykkevis og delt. Ja, det er faktisk sånn i dag at delar av denne vegen går så å seie rett ut i eit sandtak,

kallar ein smal firefeltsveg, er ei veldig god løysing på denne vegen. Det er ikkje så mange månadene sidan det blei avdekt at Statens vegvesen systematisk har underdimensjonert tala for vekst når me ser tiår tilbake. Når me da veit både kor belasta dette området er og venta trafikkauke, meiner eg faktisk at representanten intensjonar i sitt innlegg da han snakka om standarden på denne vegen. Når representanten Hoksrud spør kvifor Kristeleg Folkeparti ikkje vil gi sin tilslutnad til Framstegspartiets forslag, går det m.a. på finansieringa, som er ein del av deira forslag, som Kristeleg Folkeparti ikkje sluttar seg til. Så Kristeleg Folkeparti støttar at det bør vere mogleg å sjå på denne strekninga som eit godt og me meiner at ein smal firefeltsveg er ei god løysing for nettopp denne vegen.

Gjennomføring av Østfoldpakka og sluttføring av attståande parsellar på E18 har brei politisk tilslutning i fylkeskommunen og i kommunane. Lat meg berre kommentera ganske kort nokre av punkta i innstillinga frå komiteen. Her er eit fleirtal, Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti, som meiner at eg har skapt uvisse for E18 ved tidlegare å ha opna for utgreiing av eit heilt nytt

Det same fleirtalet skriv at det er kritikkverdig at det ikkje ligg føre signal om når ein samanhengande E18 gjennom Østfold vil kunne vera ferdigstilt. Alle parti, med unntak av Framstegspartiet, skriv at dei ser positivt på at det blir skissert eit samla opplegg for korleis parsellane Riksgrensa–Ørje, Melleby–Momarken og Knapstad–Akershus grense kan bli bygde ut og Denne skissa, som altså òg Høgre og Kristeleg Folkeparti ser positivt på, inneheld nettopp dei signala dei same to partia etterlyser i den førstnemnde merknaden. Kanskje har desse to partia her vore litt for raske til å hengja seg på Framstegspartiet. Så skriv eit breitt fleirtal at ein har merka seg at ferdigstilling av dei to siste parsellane, vil bli vurdert i samband med komande revisjonar av Nasjonal transportplan. Det som er presist her, er at Riksgrensa–Ørje er ei sak for kommande NTP, men Knapstad–Akershus grense, eller eigentleg ligg allereie inne i NTP med oppstart i perioden 2010–2014. Det er òg meldt om det på side 2 i proposisjonen. Det inneber at vi forhåpentlegvis kan halda raskare framdrift på E18. Kor raskt vil hengja saman med framdrifta i arbeidet med reguleringsplan og dei etterfølgjande avklaringar med bl.a. kostnadsoverslag, kvalitetssikring og framlegg av ein proposisjon. Om reguleringsplanen blir

Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkepari vil byggja firefelts veg på strekninga Melleby–Momarken. I proposisjonen er det gjort greie for at trafikken i dimensjoneringsåret, som er 20 år etter planlagd vegopning, er rekna til om lag 8 000 kjøretøy i døgnet. Dette er langt lågare enn

Det er ikke så lenge siden Lars Aksnes i Vegdirektoratet erkjente i full offentlighet at vi har bygd veier med for liten kapasitet. Her er vi altså i gang igjen: På 8,3 km bygges det tre ulike typer vei. Jeg synes faktisk at det er verre enn å følge gamle, historiske spor – dette bærer jo preg av å være en sånn samferdselspolitisk Hvordan beskrives dette? Ifølge Bettina Sandvin i Vegvesenet handler det om å bygge en moderne tofelts vei, med midtdeler, som vil oppleves som en firefelts motorvei. Vi ønsker veier som fysisk er brede, firefelts veier, slik at bilistene som kjører der, faktisk kan være overbevist om og helt sikre på at de kjører – ikke et forsøk på en opplevelse av at to felt virker som fire. Hva mener statsråden om en sånn investering? Eg legg dei same tala til grunn som Statens vegvesen opplyser om. Når reknar årsdøgntrafikken til 8 000 kjøretøy 20 år etter opninga, må eg seia at med alle dei vegprosjekta som her ligg i kø for realisering, finn eg det rett å gjera det slik som det no er føreslått, og som blir at når vi ikkje har lagt fram denne saka tidlegare i år, er det fordi vi har gått ein ekstra runde og sett på nettopp vegbreidda, for vi visste at her ville det bli vekslande breidd. Men vi har løyst det slik som vi no har føreslått. Neste replikant er Ingjerd Schou. Er det riktig oppfattet av presidenten at representanten Schou har bedt om to replikker? Høyre har to replikker, tror jeg. Da skal representanten Schou få de to påfølgende replikkene. Takk. Jeg gleder meg over enhver ny kilometer vei på en stamvei – også på andre veier, men denne gangen på en stamvei. Hovedtraseen til Stockholm og Baltikum er den nest mest trafikkerte som vi har i landet. Jeg vil følge opp representanten Sortevik: Vegdirektoratet sa bare for få uker siden at vi hadde bygd for smalt. Jeg har friskt i minne – det har sikkert statsråden også – at Eidettunnelen ved Sarpsborg ble bygd med ett tunnelløp. Det var forfeilet, man angret seg, og endte opp med å bygge nytt og – selvfølgelig – dobbelt så dyrt, men det var nødvendig. Vi kan komme i samme situasjon

eg må seia, på vegner av han, at han nok ikkje hadde føresett at det var slik hans uttale skulle brukast. Han har erkjent at det er tilfelle der ein tidlegare har bygd for smalt, og det er ei erkjenning som eg synest det er viktig å ta vare på. Difor kan eg òg svara på Schou sitt spørsmål med å seia at ja, det er slik – som eg òg sa i mitt innlegg – at vi har gått ein ekstra runde i forhold til vegbreidda nettopp for å vera trygge på at vi no vel den rette løysinga. Takk for svaret. Da følger jeg opp med neste replikk. Jeg tror også at Vegdirektoratet og Aksnes nettopp ikke skal brukes i alle mulige sammenhenger, men dette er altså en stamvei, det er hovedveien til og fra Europa i retning Stockholm osv. Statsråden sa også i sitt innlegg at det ikke skulle være noen tvil om de neste traseene, og at signalene var gitt, og jeg ber da statsråden være konkret på og forplikte seg på følgende: Når er de neste traseene ferdigbygd på denne 58 km lange

i neste Nasjonal transportplan, og det er mykje uavklart. Når det gjeld Knapstad–Retvedt, har eg orientert om at der går det no føre seg planarbeid. Gjeve at dei ulike ledda i arbeidet vidare der går bra, kan vi forhåpentlegvis rekna med oppstart i 2013, men eg vil nok venta litt med å snakka om ferdigstillinga før vi er komne noko lenger i planlegginga. I sitt førre svar sa statsråden at me kan i neste NTP-periode vurdere, og ho sa «forhåpentlegvis» – knytt til dei to prosjekta som då gjenstår. Og det er klart at det er stor forskjell på det og ord som «signal» og «skisser». Eg trur det i all enkelheit forklarer kvifor Høgre og Kristeleg Folkeparti er så utolmodige etter å få meir konkrete formuleringar om kva tid denne vegen kan vere ferdigstilt. Viss eg då kan vere så frimodig å stille det spørsmålet: Kva tid, i beste fall, trur statsråden at heilskapen i denne vegen er på plass? For det er det Høgre og Kristeleg Folkeparti etterspør: Me lurer på kva tid me kan ha ei forplikting på at denne vegen i sin

Nasjonal transportplan og det som ligg der, blir teke opp på nytt: «I tillegg legges det opp til anleggsstart på strekningen Knapstad–Retvedt i Østfold og Akershus, med fullføring i siste seksårsperiode. Prosjektet E18 Riksgrensen–Ørje er er ikke omtalt i gjeldende Nasjonal transportplan. Regjeringen har ikke tatt stilling til en ev. utbygging av strekningen, men vil ev. komme tilbake til dette i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan.» Med all respekt for alle dei prosjekta som ligg inne, og som skal initierast i denne perioden: Det er så konkret som eg kan vera no. Det er

tilfredsstillende. Mange ganger har statsråden sagt fra denne talerstolen at vi bygde feil for 40 år siden. Og det er jo noe denne regjeringen holder på med også nå: Vi kommer til å bygge feil i Møre og Romsdal, vi kommer til å bygge feil i Finnmark, og nå er man i ferd med å bygge feil i Østfold også. Er statsråden tilfreds med at om noen få år vil sannsynligvis beregningene vise at man skulle bygd en full firefelts motorvei, at det betyr at bilistene skal få en kraftig ekstraregning? Er statsråden tilfreds med at man fortsetter å gjøre det man gjorde for 40 år siden, som statsråden har vært kritisk til? I motsetnad til Framstegspartiet er eg glad for at regjeringa tek omsyn til at det er noko ulikt trafikkgrunnlag på ulike vegar.

at vi får forbikøyringsfelt på begge sider på 6 km av denne vegen, og at vi får tre felt gjennom tunnelen. Det vil framleis vera slik at vi legg eit visst årsdøgntrafikktal til grunn i vår planlegging.

at resten, om lag to tredjedeler av den landbaserte transporten av gods og personer til og fra Norge, går på E6 gjennom Østfold og over Svinesund. Dette gir en stor trafikkbelastning gjennom fylket og er noe av årsaken til at vi i Østfold, Østfold, med våre ordførere og fylkesordførere i spissen, prioriterer så høyt å få utbygd hovedtransportårene E6, som sto ferdig i 2008, og E18, som vi holder på med, og også dobbeltsporet jernbane videre fra Moss og til grensen for ikke å måtte i gang og bygge ut E6 til seksfelts motorvei, slik Fremskrittspartiet vil, før firefeltsveien er nedbetalt, på grunn av trafikkbelastningen på veien. Alle disse prosjektene er en del av den opprinnelige Østfoldpakka, som første gang ble vedtatt av Stortinget i 2000.

Berørte kommuner og Østfold fylkeskommune behandlet saken i mars og april 2010 og har sluttet seg til et opplegg for utbygging og finansiering av E18 på de gjenstående strekningene Riksgrensen–Ørje, Melleby–Momarken og Knapstad–Akershus grense, inklusiv gjenstående finansiering av sideveistiltak. Men det er altså kun Melleby–Momarken som saken i dag gjelder. De gjenstående strekningene vil regjeringen komme tilbake til i forbindelse med Nasjonal transportplan i 2013. Utbygging av E18 og E6 er gjennom Østfoldpakka et helhetlig prosjekt, basert på deling av utgiftene mellom bilistene og staten, der bilistene på E6 har bidratt med nesten 70 pst. Når begge veiene er ferdigstilt, vil det totalt sett være en 50–50-fordeling mellom staten og bilistene for disse to veiene, som

Den ene er at hvis man ser på Østfoldpakka totalt, som er bompengefinansiert, så koster det bilistene 1,7 mrd. kr bare i renter. Når vi i tillegg vet at det koster ½ mrd. kr i innkrevingskostnader, er ikke dette noe hyggelig. Fra denne talerstolen har det i dag man nå får hjelp av ytterligere bompengeinnkreving, som følge av såkalt lokalt initiativ – lokalt ønske. Jeg har vært så heldig å få være med på behandlingen i Østfold fylkesting, og jeg tror ikke man kan si at det var noen gledesjubel der i det hele tatt. Men man følte seg presset til å gå inn bompenger. Til syvende og sist er det Stortinget som avgjør saken her i dag. Dette er en sak der vi har sett mange løftebrudd. De fleste av oss husker daværende senterpartileder Åslaug Haga som lovet fullføring av E18 i løpet av 2009, og nå hører vi fra dagens statsråd at vi ikke får vite når vi kan forvente

Jeg mener bompenger ikke er noen god løsning. Stamveier bør fullfinansieres av staten. Det burde det være fullt mulig å få til. Det kan ikke og bør ikke være slik at lokal kirketrafikk og turer til felleskjøpet skal være grunnlaget for hvorvidt Norge har Europaveier til og fra kontinentet.» Det er et sitat som Fremskrittspartiet stiller seg fullt og helt bak. Jeg synes det er trist i dag når man faktisk har muligheten til å oppfylle valgløftene – at man velger å gjøre det motsatte og heller bryte valgløftet. Avslutningsvis: Det at man bygger en fortidens vei med to felt, og ikke bygger firefelts med en gang, er uheldig, spesielt med tanke på trafikktallene for E6, som slo feil. Jeg er redd for at det kan bli feil i denne omgang også.

hatt i de snart 15 bompengesakene, tror jeg også at partiet har brukt opp de pengene som flertallet ellers har ønsket å bruke til utredning av høyhastighetsbane. Det regnestykket skulle jeg gjerne sett. Jeg skulle gått videre på det regnestykket, men jeg skal la det ligge, for det er vel flere poster på etterlysning av inndekning som i så henseende kunne vært etterspurt. E18 blir bygd ut stykkevis og delt 8,3 km – og ny hornmusikk kalles fram en gang i 2014. Dette er altså en stamvei til og fra Europa. 20 pst. godstransport går langs denne traseen. Det er tungtransport, det er ikke en hvilken som helst type trafikk. Det er en vekst på 2,5 pst. mer enn landsgjennomsnittet, og det er lokal politisk enighet. Jeg har vært med og spist kamelkjøtt fra første stund

området. Det kaller jeg stopp. Jeg kaller det ikke fortløpende bygging, jeg kaller det gass/brems/stopp, og jeg håper at man kan få en forpliktelse til at vi får en dato for E18. På 58 km stamvei i Norge, den nest mest trafikkerte veien til og fra utlandet, klarer vi altså ikke å få til det som Høyre og Kristelig Folkeparti etterlyser, nemlig en fortløpende, helhetlig utbygging med nye finansieringsformer. Næringslivet, sier Fremskrittspartiet, Fremskrittspartiet, vil ha mer penger til infrastruktur. Ja, det opplever jeg også. Men det som er eiendommelig, er at næringslivet i langt større grad sier: La oss nå få ny vei, og vi tillater og aksepterer at vi faktisk må betale noen bompenger. Jeg synes det er leit at vi får én tunnel med tre kjørefiler, at vi får en smalere vei, når vi vet at veksten i dette området er formidabel og vil være det i fremtiden, og at vi ikke bygger og tillater oss å ha overkapasitet på denne type transporttrasé. Så har jeg også lyst til å minne om at kollegaen til statsråden lovte 2009 i valgkampen i 2001. Vi er langt etter. E18 er en viktig vei – viktig vei for Norge, viktig vei for Østfold. Derfor er det et viktig vedtak som Stortinget skal fatte senere i dag. Transport- og

gjennom Østfold ble åpnet i vinter i min hjemkommune. Nå venter vi på å komme i gang med neste etappe, neste parsell, Melleby–Momarken. Det er et krav om oppstart av bygging, det er et krav om en ny veiåpning, og det er et krav om sammenhengende utbygging til Vinterbro. Hele Østfold står sammen om

Vi vedtar i dag å bygge 8,3 km ny vei. 6 km av dem er med sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av veien. Det forteller vel det meste om hva det egentlig er behov for. Statsråden var ærlig, og jeg setter pris på ærlighet fra statsråder.

kjøre på to felt, kjøre på tre felt og kjøre på fire felt, med forbikjøringsfelt – å vite hvorfor statsråden mente at dette var det beste også for framtidens vei, den nest største eksportveien for Norge. Et par poeng til slutt – for det første denne 50 pst. delingen av dette spleiselaget: Det er

en ganske betydelig skjevdeling, men det ønsker man selvfølgelig å snakke minst mulig om. Men det som er riktig, er jo at dette som vi snakker om, er ikke bare en europavei, men det er en nasjonal stamvei til og fra Europa. Da blir det ekstra spesielt at på vel 8 km av en stor pakke også på E18, velger vi å bygge med tre ulike veiløsninger. nærmest ufattelig at man kan ende opp med en sånn konklusjon, at på disse 8,3 km på en ny, moderne E18, velger man tre ulike løsninger. Det virker som man både politisk og fra Vegdirektoratet nærmest tviholder på en slags dogmatisk bruk av

og at man har bygget nye veier i Norge i de senere år som faktisk viser seg å være underdimensjonert. Det er et viktig signal. Det signalet har man iallfall ikke valgt å lytte til her. Det står igjen som en bedrøvelig løsning at man på en liten strekning på 8 km velger tre gammeldagse transportmessige løsninger. Så til slutt: Vi ønsker gjenstående prosjekter på E6 og E18 gjennomført så snart som mulig, basert på firefelts motorvei og med statlig finansiering. Det er vårt forslag. Vi har henvist til vår egen NTP for finansiering. Så til Høyres forslag om OPS. OPS. OPS er bra. Det er et bra organisatorisk verktøy når det gjelder bygging av vei, men også når det gjelder eierskap. Men det gir ingen avklaring om finansiering. I dette forslaget er det heller ingen avklaring av om et OPS-prosjekt på resten av disse veiene i denne store pakken skal skje med statlig finansiering. Det ønsker vi, så vi forholder oss til vårt eget forslag.

Når jeg hører på representanten fra Høyre, Ingjerd Schou, og når jeg hører på representanten Hjelmdal, høres det ut som at man ønsker å bygge full firefelts motorvei. Men hvis man ser på forslagene som ligger til behandling, er det bare ett forslag som sier noe om firefelts motorvei på strekningen. Det er Fremskrittspartiets forslag. Både Høyre og Kristelig Folkeparti stemmer for regjeringens forslag. Jeg leser: «Komiteens tilråding fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.» Det betyr at alle de partiene stemmer for å bygge med den veiløsningen som nå ligger til grunn. Jeg skulle vært veldig glad hvis representanten Ingjerd Schou eller representanten Knut Arild Hareide nå hadde skjønt at de er i ferd med å fatte et dumt eller dårlig vedtak, eller dårlig vedtak, ut fra argumentasjonen deres, og heller hadde støttet Fremskrittspartiets forslag, som betyr firefelts motorvei på hele strekningen. Jeg synes det er tragisk. Dette er en del av den viktige inn- og utfartsåren mellom Norge og kontinentet. Så sa statsråden i stad: Men det er forskjell i trafikkgrunnlaget, og derfor må vi ha forskjellig standard. Det betyr jo indirekte at statsråden sannsynligvis har sagt at på E39 vil det være tofelts vei og firefelts vei enkelte steder. Jeg synes det er dumt. Fremskrittspartiet synes det er dumt. Vi ønsker å bygge skikkelig firefelts motorvei mellom de største byene, fordi vi ser på det som viktige transportårer. Det er viktig med moderne og effektive veier, som det er skikkelig standard på – med fire felt. Så registrerer jeg at felt. Så registrerer jeg at statsråden sa at etter 20 år vil det være 8 500 i ÅDT. Det står vel i papirene at det vil være ca. 10 500. Da begynner man ganske fort å nærme seg grensen for 12 000. Når vi vet at Aksnes og andre i Vegvesenet sier at man har underdimensjonert, så burde man ta det inn over seg og sørge for å bygge en full firefelts motorvei på strekningen. Jeg har bare lyst til å nevne mitt eget fylke, Telemark. Man holder der på på

Presidenten vil i all vennskapelighet gjøre oppmerksom på at representanten heter Hjemdal, og ikke Hjelmdal. Eg har sett gleda i Østfold over at prosjektet

For det er nødvendigvis slik at dersom vi på dette tidspunktet skulle vurdert firefelts veg frå Riksgrensa gjennom Østfold, ville det bety ytterlegare planlegging, ytterlegare lokale rundar. Då ville vi ikkje ha vore der vi er i dag. Eg oppfatta det

Det er jo difor transportkomiteen i Stortinget har fått det så travelt. Men vi går dei rundane som vi finn er nødvendige. No har vi vurdert denne saka grundig. Vi har lagt fram eit forslag til løysing som inneber tofelts veg og alt det andre som er tofelts veg og alt det andre som er skissert, basert på ein årsdøgntrafikk på 8 000 på ny E18 og 2 500 på den gamle E18 i opningsåret. Vi har skissert ei løysing vidare for strekninga Knapstad–Retvedt, og varsla at vi kjem tilbake til den, og at vi kjem tilbake i neste NTP, som jo ikkje er så lenge til. Vi får altså på plass ein trafikksikker veg i eit område der det er heilt nødvendig. Og til finansieringsforma: Viss nokon trur at eit OPS-prosjekt her ville vorte rimelegare, så kan eg ikkje gå god for det. Alle prosjekt må jo betalast. På Dal–Minnesund t.d. leverer dei no

så hadde statsråden gått en ekstra runde og vurdert bredere – om ikke lengre, så i hvert fall bredere – vei og dobbel tunnel. Til Fremskrittspartiet så er det det å si at vi er opptatt av at prosjektet kommer nå, at det fullføres nå. Det er en teknikalitet å holde på med dette som går på firefelt og en tunnel som har dobbeltspor. Det er klart vi vil det! Vi har fremmet et forslag om ett prosjekt – helhetlig og med annen finansiering. Sånn sett er det like oppsiktsvekkende at ikke Fremskrittspartiet er med på det. Det eneste jeg hører når representanten Hoksrud fra Fremskrittspartiet har ordet, er at alt baserer seg på at man ikke skal ha bompenger. Jeg er ikke noe glad i bompenger på stamveier, men resultatet ville altså vært at man ikke kunne starte videre utbygging av E18 nå, og at vi heller ikke da hadde fått ny trasé på 8,3 km nå. Jeg er glad for at det kommer 8,3 km ny vei. Jeg skulle gjerne sett at dette var et helhetlig løp – med ny finansiering, annen finansiering – med fire felt og dobbel tunnel. Det ligger imidlertid gode planer om å fullføre dette. Jeg skulle også veldig gjerne sett at vi hadde fått en dato og et årstall for når dette kunne være ferdigstilt, og ikke bare signaler. Ellers har debatten gått langs de samme skillelinjer som vanligvis går i denne type debatter med eller uten bompenger. Til det er det vel også det å si: I alle de prosjektene der Fremskrittspartiet har stemt imot bompenger, forventer jeg også å se at de har lagt inn penger i de reviderte nasjonalbudsjettene som er til behandling, som kompenserer for alle de prosjektene som Fremskrittspartiet har avskaffet, at vi kan se det på en egen linje, og at man synliggjør hvor mange ganger man har brukt opp pengene flertallet ønsket å bruke til utredning av høyhastighetsbane, til å finansiere med bompenger det man ellers ikke ville ha av nye veier. Jeg skulle veldig gjerne ha sett at vi hadde fått ferdig E18 – som Åslaug Haga lovte oss til 2009 – til et bestemt tidspunkt, at vi kunne ha sagt 2014. Det later ikke til å skje med dagens regjering, men uansett er det altså enighet om at vi skal fullføre E18, og det er ingen uenighet om det. Stopp siden november 2010, sier representanten Schou. Det er

Det er nå de har begynt nedrigging og flytting til ny strekning, og anbud er lyst ut. I den tiden som er gått, har altså statsråden brukt tid på nøye å vurdere utbyggingen og bredde, og det synes jeg er veldig fornuftig i forhold til den historien vi har, som det ble pekt på her, fra E6 i Østfold, når vi kjenner til diskusjonen Saken har vært til behandling i de lokale kommunestyrene, i fylkestinget, og forutsetningen i de sakene har hele tiden vært to felt. Jeg forutsetter, som jeg sa i stad, at tallene fra departementet er kvalitetssikret, og at veien bygges for framtiden. Til sist: Det er nok ikke bare Fremskrittspartiet som bruker penger flere ganger. Alle OPS-prosjektene som Høyre nå har satt i gang siden vi vedtok NTP i 2009,

Jeg har sans for ærlighet, og jeg tror også Bård Hoksrud har sans for at jeg er ærlig, og jeg sier det her og står for det. Og så har jeg sans for at statsråden er ærlig i forhold til sin framleggelse, og så har jeg sans for at Hoksrud er ærlig i forhold til sin framleggelse.

av bilene skal kjøre på dagens E18. Dette er en eksportvei, dette er en vei der det går mye tungtransport. Vi kjører isolasjon fra Glava, vi kjører kyllingpølse fra Nortura, vi kjører saft og syltetøy fra Askim Frukt- og Bærpresseri. Dette skjer på store biler. Ja, og så skal de kanskje over på den nye veien vår, da? Men det er noe med sammenhengen her, når representanten Johansen både i sitt hovedinnlegg og nå i sitt siste innlegg sier at hun stoler på prognosene, og at vi bygger for framtiden. Det er nettopp det jeg ønsker å utfordre statsråden på: Du har tatt en vurdering. Jeg aksepterer at du har brukt tid, men er du trygg på denne vurderingen, at dette er framtidens europavei – ut av landet, inn i landet for å se vårt flotte land, for deg som samferdselsminister og senterpartistatsråd? Presidenten tror at representanten Hjemdal er en av dem som vet at all tale skal rettes til presidenten. Det har vært en interessant debatt så langt, og det jeg dessverre kan registrere, er mange valgløfter ikke er verdt mer enn papiret de er skrevet på, for representanten Ingjerd Schou mener at hvis hun nå hadde fulgt sitt valgløfte, hadde det ikke blitt noen vei, og det hadde forsinket hele prosessen. Da må jeg si at jeg synes det er underlig at man lovte det – og gikk høyt på banen i sin motstand mot bompenger for kun to år siden. Så er det flere som har vært inne på hvordan Fremskrittspartiet skal dekke inn kostnadene når vi sier nei til bompengeinnkreving. Fremskrittspartiet er klare der – i desember hvert år, i samleproposisjonen, fremmer vi inndekningsforslagene. Jeg har lyst til å si litt om at man nå velger tofelts vei i forhold til hvilken trafikkvekst man venter framover. Vi at de trafikktallene som departementet kom med da, som de regnet med at man skulle nå i 2020, nådde vi allerede i 2009. Så feil tok man da, og Fremskrittspartiet er bekymret for at man går i samme fella på nytt. nytt. Når vi også vet at det er mye rimeligere å bygge en firefelts vei med en gang, enn å bygge tofelts vei nå for så om noen år å måtte utvide, er det underlig at ikke denne sal er mer framtidsrettet. Vi snakker tross alt her om en av hovedveiene inn til Norge fra kontinentet. Da er det rart at man ikke er mer framtidsrettet. Enda mer spesielt blir det at vi framtidsrettet. Enda mer spesielt blir det at vi har en fylkesplan i Østfold som regjeringen nylig godkjente etter to års behandling, og som legger opp til en betydelig befolkningsvekst. Meg bekjent er den fylkesplanen med den betydelige befolkningsveksten godkjent i regjeringen med noen endringer, foretatt etter at departementet utredet hvilken trafikkvekst de regner med i Østfold. Da kunne det være interessant å høre hvordan statsråden ser på det i forhold til de endrede forutsetningene som har kommet siden departementet lagde sine

Men det var innlegget til Johansen som fikk meg til å be om ordet, for det var litt overraskende fra den kanten. Det var vel kanskje et lite munnhell som ikke var så logisk begrunnet. For det er jo slik at OPS er en finansieringsmåte grad utsetter betalingen – enten det er til en privat aktør eller prosjektfinansiering, som jeg forstår at partiet til Johansen nå går inn for – i en del år framover, ja faktisk helt opp i 25–30 år. Det betyr at belastningen på inneværende års budsjett, slik Ingjerd Schou her prøvde å få fram i forhold til Fremskrittspartiets forslag, overhodet ikke er relevant i forhold til OPS eller prosjektfinansiering. Jeg måtte bare få klart opp i det. Det var også grunnen til at jeg ba om ordet. Når jeg først er kommet hit, hadde jeg nær sagt, tror jeg også jeg må få kommentere dette evinnelige med at dette evinnelige med at dette er å kjøpe på avbetaling, som det blir sagt. At vi lånefinansierer offentlige prosjekter, er da ikke noe unormalt i norsk forvaltning? Sist jeg så tallene, var gjeldsbyrden fra fylkeskommuner og kommuner i dette landet på 230 Hva vet jeg, kanskje har den økt nå? Det er altså helt vanlig både innenfor det offentlige og innenfor det private å finansiere goder på denne måten – goder som man skal ha glede av i mange år framover, og som man ser vekstpotensialet, utviklingspotensialet, i ved at man tar det store løftet og heller betaler over tid. Selvsagt er det slik at det alltid vil være en alternativ anvendelse av midlene, så også for Fremskrittspartiet, men den alternative anvendelsen hører vi veldig sjelden om. Det kunne vi kanskje fått en skikkelig grundig debatt om

Det første som jeg synes har vært spesielt, har vært kritikken den rød-grønne regjeringen har fått når det gjelder tempoet på utbyggingen av E18 gjennom Østfold. Det er slik at den rød-grønne regjeringen har forsert tempoet på utbyggingen av E18 kraftig i forhold til bl.a. Bondevik-regjeringens eget forslag til utbygging. Grunnen til at vi har gjort det, er at dette har vært en særdeles viktig sak for befolkningen i Østfold. Derfor har vi, etter å ha lyttet nøye til befolkningen i Østfold, funnet ut at dette er helt riktig, også fordi det er en av de mest trafikkerte stamveiene vi har i Norge. Og så vil jeg si at vi faktisk har gjennomført denne forseringen uten bruk av OPS. Det er en grunn til at vi ikke bruker OPS. Det er fordi erfaringene fra Sverige, erfaringene fra England, erfaringene fra Ungarn viser at det er å bygge vei på avbetaling. Det binder opp de offentlige budsjettene. I Storbritannia ser vi at hvert sjuende pund av de offentlige budsjettene er bundet opp i OPS-prosjekter. Så det er mange gode grunner til at vi ikke velger OPS. Og jeg må si at når representanten Halleraker begynner å snakke om de alternative kostnadene, kan jeg love representanten at de alternative kostnadene ved bruk av OPS er mye, mye større enn med den løsningen vi har valgt, som betyr å bruke penger på samferdsel og forsere utbyggingen av E18. Til slutt vil jeg faktisk gi representanten Hoksrud litt honnør. Han har et veldig godt poeng, og det er at Høyre og Kristelig Folkeparti i denne saken bedriver et spill for galleriet. De later som om de er opptatt av å få på plass en firefelts vei, men stemmer for forslaget fra den rød-grønne regjeringen. Det er ikke vakkert, det er ikke ærlig, det er kun et spill for galleriet.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

Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag i innstillingen. De øvrige partiene vil selv redegjøre for sitt syn. Fremskrittspartiet ønsker å redusere saltbruken på norske veier. I Fremskrittspartiets forslag er det gitt en rekke føringer for å få en bredest mulig vurdering knyttet til saltbruk. Fremskrittspartiet vil ha både trafikksikkerhet og miljømessige forhold vurdert. Konkret vil Fremskrittspartiet ha en halvering av saltbruken fra vintersesongen 2012/2013. Subsidiært vil Fremskrittspartiet støtte forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Vi tolker det forslaget som en tilslutning fra Høyre og Kristelig Folkeparti til hovedønsket fra Fremskrittspartiet: å stoppe den sterkt økende saltbruken og snu utviklingen til langt mindre bruk av salt på norske veier. Vi er også tilfreds med at regjeringspartiene ikke avviser forslaget, men vedlegger det protokollen. I denne saken kan vi altså håpe på at regjeringspartienes ører ikke er helt lukket – eller proppet med salt. Det kan selvsagt være fordi Statens vegvesen i snart fire år har holdt på med sitt eget saltprosjekt, Salt SMART, men i det minste ser veietaten selv på saltbruken. Underveisresultater har ikke vært synlige, tvert imot har bruken av salt på norske veier gått opp i prosjektperioden 2007–2011. Dette er ingen het politisk sak, men en sak som har et stort folkelig engasjement knyttet til trafikkulykker, saltskader på vei og kjøretøy og saltskader på natur og på vannkilder – langt mer enn bare salt strødd på glatt vei. Fremskrittspartiet er kjent med prosjektet Salt SMART. Vi mener det er bra at etaten selv ser på dette. Men vi ønsker et bredere perspektiv – vi ønsker innspill fra kompetanse utenfor veietaten selv for å sikre at forestillinger, hypoteser, regnestykker og strategier om saltbruk i vintervedlikehold av norske veier blir utfordret. Det mener Fremskrittspartiet er nødvendig. Fremskrittspartiet registrerer også at bruk av salt på norske veier har økt sterkt i de fire årene dette prosjektet har pågått. Det er flere grunner til at Fremskrittspartiet tar opp den sterkt økende bruken av salt på norske veier. Salting er en konsekvens av strategien om bar vei, som medfører at det brukes kjemisk brøyting i stedet for fysisk brøyting. Fremskrittspartiet mener økningen og omfanget av bruken er betenkelig. Vi mener det er nødvendig å tenke smart og handle smart, men uten salt. Vi ser en helt annen utvikling i våre naboland Sverige og Finland. Det er to land det er naturlig å sammenligne seg med, som har redusert saltbruken for lengst, og som ser ut til å ha lyktes langt bedre enn Norge i arbeidet med å redusere dødsulykker og alvorlige ulykker i trafikken. Fremskrittspartiet mener effekten av veisalting når det gjelder trafikksikkerhet, langt fra er så klar og dokumentert som det hevdes. Fremskrittspartiet mener dette bør etterprøves. Fremskrittspartiet ser at det faktiske er gode grunner for å hevde at salting av vei kan gi glattere vei og glattere dekk med redusert bremseeffekt. Fremskrittspartiet mener følgeskadene på veien etter salting av vei er betydelige, både på og i særdeleshet på broer og i tunneler der saltet tærer på betong og armeringsjern. De siste som pekte på følgeskader på betong, var faktisk Huseiernes Landsforbund i sitt siste medlemsblad, som kom nylig. I andre land er man langt mer tydelige på dette med følgeskader av salt. I USA slås det fast at følgeskaden er 15 ganger kostnadene ved Fremskrittspartiet har merket seg at lederen for Salt SMART-prosjektet mener at saltbruken kan halveres med vettig saltbruk. Det tyder på at dagens bruk er uvettig, i det minste uklok. Det tyder på mulighet for stor reduksjon i saltbruken. Det underbygger etter Fremskrittspartiets mening Fremskrittspartiets krav om at en kraftig reduksjon er mulig, og at den bør komme fort.

For Arbeiderpartiet er det to spørsmål som må besvares: Gir det bedre trafikksikkerhet å salte? Hvordan påvirker dette miljøet? Fremskrittspartiet har allerede svarene, har vi registrert. Vi stiller fremdeles spørsmålene. Statens vegvesen, som er vår faglige instans i denne sammenhengen, har så langt ment at salting gir bedre trafikksikkerhet, og at det ikke påvirker miljøet i unødvendig grad. Ifølge brevet fra samferdselsministeren til komiteen er bruk av salt i dag det eneste reelle alternativet for å oppnå god framkommelighet og trafikksikkerhet på de mest trafikkerte veiene om vinteren, men det er viktig å innrette bruken av salt slik at skadene på miljøet begrenses. Ifølge departementet finnes det ingen gode alternativer til salt for å kunne opprettholde god friksjon gjennom hele vinteren på høytrafikkerte veier. Vi er også kjent med at Statens vegvesen i år vil avslutte det 4-årige FoU-programmet Salt SMART. Formålet med dette programmet er å finne ut hvordan man kan redusere bruken av salt samtidig som man opprettholder god framkommelighet og trafikksikkerhet gjennom vinteren. Prosjektet skal allerede ha resultert i økt kompetanse om effekter og konsekvenser ved bruk av salt. Som følge av dette gjøres det hvert år justeringer av driftskontraktene og oppfølging av dem. Ifølge Samferdselsdepartementet vil sluttresultatene fra Salt SMART ligge til grunn for Statens vegvesens forslag til strategi for vinterdrift av norske veier i forslaget til Nasjonal transportplan 2014–2023, og regjeringen vil presentere dette for Stortinget i stortingsmeldingen om NTP vinteren 2013. Når det gjelder virkningen på trafikksikkerheten ved bruk av salt, er det også delte meninger, men Trafikksikkerhetshåndboken angir en gjennomsnittlig virkning på 15 pst. reduksjon i antall personskadeulykker ved bruk av salt. Vi fra vår side er godt fornøyd med at Statens vegvesen i løpet av året vil få gjennomført en uavhengig og oppdatert gjennomgang av nyere relevant forskning på saltets virkning på trafikksikkerheten, og ser fram til resultatene av dette. Det er faglig uenighet om bruk av veisalt og effekten på trafikksikkerhet og miljø. Vi hadde en høring om representantforslaget hvor dette ble veldig tydelig. Arbeiderpartiet mener det haster med å få på plass en ny strategi for vintervedlikehold basert på ny kunnskap og forskning på effekter både på trafikksikkerhet og miljø, og derfor ber vi i merknadene om at dette arbeidet forseres. Vi trenger ikke vente til rulleringen av Nasjonal transportplan. Det bør være mulig å få det til raskere. Det bekymrer oss også at det i komiteens høring om representantforslaget kom fram påstander om

Det er faglig uenighet om hvorvidt bruken av veisalt er positivt for trafikksikkerhet og miljø. Vi mener det haster å få avklart dette, og ber om at arbeidet med dette forseres. Vi mener også at det er totalt uakseptabelt dersom det innebærer riktighet at entreprenører salter mer enn det som ligger i kontraktene fordi dette er billigere enn mekanisk fjerning av snø og is. Dette må i tilfelle rettes opp snarest.

vi registrerer også at det er ulike tilnærminger til bruk av veisalting og til dels motstridende faktaforståelse. Det har også sakens gang i komiteen vist. Vi mener at det er nødvendig med en grundig gjennomgang og omfattende kartlegging av de ulike sidene ved bruk av veisalting vinterstid. vinterstid. Derfor fremmer vi sammen med Kristelig Folkeparti også et forslag om dette i innstillingen, som jeg da tar opp. Totalforbruket av veisalt i Norge har utvilsomt økt de senere år. Grunnen til dette håper vi å få belyst i en sånn gjennomgang, og som en følge av dette er det påvist forringelse av vannkvalitet i mange vannforekomster og drikkevannsbrønner langs det saltede veinettet. Det er også registrert til dels betydelige skader på vegetasjon og økosystemer nær saltede veier. Så er det slik at god fremkommelighet og trafikksikkerhet for veitransport også er av stor samfunnsmessig betydning, og her ligger det jo da motstridende interesser. I Høyre har vi derfor med interesse merket oss at Statens vegvesen arbeider for å levere en god og forsvarlig vinterdrift, men med begrenset bruk av salt. Det er mange som er bekymret for den økte saltingen. Det kom fram på høringen både fra NAF, fra Naturvernforbundet og flere. Fra disse ble det pekt på en rekke ulemper knyttet til omfattende saltbruk. Men fordelene er jo, som sagt, også vesentlige, og derfor er det viktig med en gjennomgang av alle sider av denne saken. saken. Jeg er ikke sikker på om de sidene som altså gir bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet, kom like godt fram på høringen. Men i Høyre slutter vi oss til at det er behov for å utvikle alternative metoder for å ivareta krav om opphør, hvis det skulle gå så langt, eller om redusert bruk av salt. Høyre og komiteen er gjort kjent med at det gjennomføres et forskningsutviklingsprogram som er kalt Salt SMART. Vi ser fram til konklusjonene i dette programmet. Vi ser også fram til en skikkelig gjenomgang av konsekvensene av saltbruken, og håper at regjeringen vil følge ønsket vi har satt fram i vårt forslag, som jeg nettopp refererte

den føregåande debatten var det snakk om om me har ei sosialistisk regjering. No, under saltsaka, trur eg eg skal oppklara dette. For meg er det det same om du kallar denne regjeringa, via ein hersketeknikk, for kommunistisk, leninistisk, anarkistisk, miljøregjering, fagbevegelseregjering eller kva som helst – poenget er berre at regjeringa må fornya Noreg. Noreg. Det gjer denne regjeringa. Me bruker det som er Framstegspartiets slagord, og så gjer me det. Det gjer dei òg i Oslo, det gjer dei òg på Os – dei fornyar Noreg. Kva gjer dei på Stortinget? Fornyar dei Noreg? Ein markerer ei haldning til ei sak ein har ei meining om, men ein fornyar ikkje Ein skrik ut om andre løysingar enn den som eit fleirtal vel fordi dei vil ha resultat, men det blir ikkje mykje fornying av Noreg. Eg må anbefala Framstegspartiet å leggja opp ein annan strategi sånn at dei faktisk kan vera med og fornya Noreg, slik som den raud-grøne, kommunistiske regjeringa gjer! Så er det slik, som òg saksordføraren seier, at

bra. Eg synest saksordføraren har gjort ein god jobb. Riktignok har han skrive litt langt, har eg forstått av komiteen, men me har hatt høyring, me har fått kunnskap om noko me i alle fall ikkje hadde 100 pst. kunnskap om frå før, og me jobbar vidare med saka for å finna ut meir. Med utgangspunkt i det som blei sagt i høyringa med Naturvernforbundet, tok eg kontakt med Miljøverndepartementet og forureiningsmyndigheitene om kvifor vegsalt ikkje kom inn under det. Då fekk eg til det. Då fekk eg til svar, dessverre etter at innstillinga var lagd fram, at ein jobbar med det. Saman med Vegdirektoratet held ein nettopp på med å sjå på den problemstillinga knytt opp mot Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif, og Vegdirektoratet. Dei held på med eit mandat for å gå inn i den problemstillinga knytt opp mot miljø. Kanskje var det nettopp på grunn av høyringa at me fekk meir fart i dette. Ei problemstilling som ikkje er teken opp, men som vi kjem tilbake til i neste sak om syklistar, er nettopp at Syklistenes Landsforening meiner at salting er svært dårlege greier for tohjulingar og firhjulingar, som barnevogner. Det blir veldig mykje tyngre å ta seg fram, det blir sleipt og vanskeleg, slik at fleire vel vekk sykkelen eller å gå tur med barnevogna fordi vegsaltet har gjort det så vanskeleg å koma fram. Det er òg ei problemstilling som regjeringspartia kjem til å sjå nærmare på. Til slutt forundrar det meg litt at det punktet som saksordføraren òg på ein glimrande måte var inne på, gjeld dette med økonomien. Er det slik at entreprenørane rett og slett gjer dette fordi det blir billegare for dei Den problemstillinga er lufta. Det er ikkje tvil om – eg ser Gullvåg òg er inne på det – at det må vera noko der. Då seier me, med utgangspunkt i forslaget frå Framstegspartiet, at det vil me sjå nærmare på. Me vil ha kontroll med det, men Framstegspartiet er ikkje med på den merknaden som seier at dette må me sjå nærmare på, om det er eit problem. Ein vil ikkje vera med på å sjå på om skattebetalaranes pengar

eg synest begynner å bli kjedeleg å debattere, fordi ein veit at i praktisk politikk der ein har makt, gjer ein dette for å få det til, og då vil ein gjerne vera med på å fornya Noreg. Eg håpar at Framstegspartiet no etter kvart kan bli med dei raud-grøne sosialistane og fornya Noreg. Senterpartiet er

Det er også registrert skader på vegetasjon og økosystemer nær saltede veger. Vi har registrert fra debatten i Oslo at trær i byparker eller områder der det er salting, skades. Dette, sammenholdt med at det forekommer påstander om at entreprenører salter mer enn det som ligger i kontraktene, og at det er faglig uenighet om bruk av vegsalt og effekt på trafikksikkerhet og miljø, gjør at det er behov for å forsere arbeidet med ny strategi for vintervedlikehold for å vekte disse forholdene. Resultatene av Salt SMART-prosjektet til Statens vegvesen vil, sammen med en uavhengig og oppdatert gjennomgang av nyere, relevant forskning på saltets virkning på trafikksikkerhet,

finner sted. Videre ber vi om at arbeidet med en strategi for vintervedlikehold forseres på en slik måte at man kan opprettholde god framkommelighet og trafikksikkerhet om vinteren, men samtidig ivareta natur og vannkilder på en god måte. Eg har lyst til å bekrefte det som var saksordførarens kommentar til forslaget frå Høgre og Kristeleg Folkeparti. Det er

av dette. Dette er ei problemstilling som eg synest det har vore spennande å følgje, og som eg synest det er heilt tydeleg at me treng å få ei nærare klargjering av. Det er fordi høyringa og dei innspela me har fått, har vore så veldig tydelege på at det finst ulike faglege tilnærmingar til det som går på vegsalt, og at det er veldig mostridande faktaforståing knytt til dette. Derfor er det Kristeleg Folkepartis ønske å få ein grundig gjennomgang og ei kartlegging. Det meiner me sjølvsagt må vere basert på faktakunnskap. Eg skal ikkje trekkje denne debatten ut med å gå inn i mine vurderingar av dei ulike fakta- og fagtilnærmingane. Det som er Kristeleg Folkepartis ønske, er at me får ei sak tilbake. Me ønskjer å vere ryddige overfor regjeringa og gi ho moglegheit til å gjere det på eigna måte, for dette er ei sak som me meiner

Trafikksikkerhet er, slik Venstre ser det, det viktigste samferdselspolitikere kan drive med. Veisalting, som er tema her i dag, kan være et godt tiltak for å trygge trafikksikkerheten på enkelte veistrekninger, spesielt på hovedveier med stor trafikkbelastning, når det brukes under riktige vinterforhold. Samtidig har det kommet ny forskning, som flere har vært inne på, som også viser at veisalting kan medføre ulykker, fordi veisaltet brukes feil, korroderer bremser, forringer siktforholdene og medfører at bilister kjører fortere enn forholdene tilsier. I debatten om veistandarden i de ulike fylkene i Stortinget 3. mai i år spurte jeg samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om hun trodde at overdreven veisalting kan være en av årsakene til den dårlige veistandarden, slik enkelte forskere antyder. På dette svarte Meltveit Kleppa: «Eg er einig med Borghild Tenden i at overdriven salting kan ha medført ulukker.» I tillegg til dette kommer det fram, som også flere har sagt, flere og flere forskningsrapporter som antyder en sammenheng mellom veisalting og uheldige konsekvenser I Akershus har vi et eksempel på dette – nærmere bestemt i Follo. I 2007 sa daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete til Stortinget at vannforvaltningsplanene trolig ville få direkte konsekvenser for bruk av kjemikalier på norske veier. Likevel har veisaltbruken mer en doblet seg siden den gang. Når nå ny forskning, bl.a. fra Sverige, antyder at trafikksikkerheten ikke nødvendigvis øker, men også kan reduseres ved feil og unødvendig bruk av veisalting, mener jeg det er viktig at regjeringen setter i gang tiltak for å redusere saltbruken. Det burde ikke være vanskelig, for det finnes mange andre gode alternativer for mindre veier, som f.eks. mekanisk brøyting og strøing av oppvarmet sand. Jeg har også spurt samferdselsministeren om hun kan garantere at økonomiske hensyn ikke settes over miljøhensyn i veisaltbruken. Det kan virke som om det kan være økonomiske hensyn som er grunnen til veisaltbruken, og ikke nødvendigvis trafikksikkerheten, i noen tilfeller. Jeg har mottatt signaler om at enkelte private aktører har avtaler som belønner økt saltbruk fremfor andre alternativer. Bruk alternativer. Bruk av salt er et billigere alternativ isolert sett, men iberegnet totalutgiftene til miljø-, bil- og betongskader tror jeg regnestykket vil fortone seg annerledes. For oss i Venstre er det et viktig prinsipp at forurenser skal betale kostnadene ved forurensning. Jeg tror at saltbruken hadde blitt kraftig redusert om miljøforringelsene skulle betales av

men førebelse tal frå Statens vegvesen fortel at det kan ha vorte brukt om lag 330 000 tonn salt i vinterdrifta vinteren som var. Saltbruken har auka sidan 2006. Det er ei utfordring som både eg og Statens vegvesen tek på alvor. Det blir gjort mykje for å kunna bruka mindre salt i framtidig vedlikehald. Salt kan vera skadeleg for ferskvatn, jordsmonn og vegetasjon langs vegnettet. Ei undersøking for eit par år sidan viste at mange av innsjøane langs det mest trafikkerte vegnettet har stilleståande, oksygenfattig botnvatn som følgje av vegsalting. Statens vegvesen gjer no ei ny undersøking av tilhøva i ferskvatna langs vegnettet. For vasskjelder er forskrifta for drikkevatn viktig. Statens vegvesen samarbeider med Mattilsynet og lokale vassverk for å kontrollera at vegsaltinga ikkje vegsaltinga ikkje forureinar drikkevatn. Så langt Statens vegvesen kjenner til, er ingen vassverk i nærleiken av å vera over grenseverdien som er lovleg for innhald av klorid og natrium i drikkevatnet på grunn av vegsalting. Trass i at saltinga har uheldige miljøeffektar som vi må motverka, er det likevel slik at salting er eit viktig verkemiddel i vintervedlikehaldet. Omsynet til trafikktryggleiken er viktig her. Vegane må vera frie for snø og is i eit slikt omfang at det er trygt å køyra på vinterføre. Sjølv om vi ynskjer å redusera saltbruken, særleg av omsyn til miljøet, er det ikkje til å koma frå at bruk av salt under dei rette tilhøva gjev betre veggrep og fjernar snø og is effektivt. Her understrekar eg under dei rette tilhøva; salt er ikkje noko universalmiddel. Det skal f.eks. ikkje brukast når det er kaldt. Arbeidet med å minska bruken av salt skjer gjennom fleire prosessar. Det er mange miljø som forskar på desse spørsmåla, både i Noreg og internasjonalt. Lat meg særleg peika på Statens vegvesen sitt FoU-prosjekt Salt SMART. Målet for prosjektet er at Statens vegvesen sin innsats

Arbeidet med Salt SMART har vore konsentrert om å forbetra kunnskapen ved å kartleggja problemområde, utvikla metodikk, dokumentera erfaringar i driftsfasar, osv. Ein må òg innhenta erfaringar frå andre land med tilsvarande klima som vårt, der ein har klart å redusera saltbruken. Statens vegvesen seier at resultatet frå Salt SMART i tid skal liggja føre slik at vi kan bruka resultata i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014–2023. Sjølv om dette er eit prioritert arbeid, vil vi dessverre ikkje kunna endra saltpraksisen over natta. Årsaka til det er at nye krav må prøvast ut. Krava vil etter kvart bli innarbeidde i ytre miljøplanar, i handbøker og i konkurransegrunnlaget for nye anbod. Eit viktig grep er bl.a. å finna fram til nye mekaniske metodar for effektivt å fjerna snø og is frå vegane. Statens vegvesen vil, som eg har skrive til komiteen,

sine verknader på det reine og samtidig det å få fram nye måtar som effektivt fjernar snø og is frå vegane. Eg tykkjer at det som har kome fram gjennom komiteen si høyring, ytterlegare understrekar kor viktig dette arbeidet er. Det blir replikkordskifte. Kan statsråden bekrefte at saltbruken er knyttet til strategien om å ha bare veier? Det er det ene. Det andre er knyttet til uttalelsen fra lederen av dette prosjektet som Vegvesenet selv har, Salt SMART. I alle fall ifølge media uttaler han at med vettig saltbruk kan man halvere saltmengden. Hva er statsrådens syn på en praksis som har utviklet seg gjennom mange år – også gjennom de siste fire årene som dette prosjektet har pågått – når konklusjonen fra den som er

Vegane skal vera frie for snø og is i et slikt omfang at det er trygt å køyra på vinterføre. Så til utsegner frå Statens vegvesen. Eg synest det understrekar betydninga av nettopp dette prosjektet Salt SMART og det å setja i gang uavhengig

Hvordan kan det ha seg at Norge har et så annerledes utgangspunkt for å behandle salt på sine veier enn hva man har i de andre landene som hører hjemme i det samme arktiske området? Noko av forklaringa på ulik praksis frå land til land her er at vinterklimaet er forskjellig. Finland, f.eks., har eit meir stabilt vinterklima enn det er forskjellig. Finland, f.eks., har eit meir stabilt vinterklima enn det vi har, og kan difor bruka ei anna form for vintervedlikehald. Samtidig må eg berre seia at i løpet av høyringa, i løpet av komiteen si av denne saka, synest eg det har kome fram gode argument både for å sluttføra dette prosjektet, Salt SMART, og for å sjå nærare på den saka, for det er ingen av oss som ynskjer eit vintervedlikehald som går ut over miljøet og helsa. Det var jo det motsette som her var hensikta. For å nyansere siste replikk litt: Hele Norge har ikke arktisk klima. Det er

bl.a., at man ikke skal være redd for å møte dem rundt en sving på islagt vei. Jeg har bare lyst til å gjenta det som ligger i forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Kommer statsråden tilbake til Stortinget med en bred tilnærming av dette ganske snart, slik at vi kan få en ny og god debatt om dette?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

000 tonn blir pøst ut på veiene, uten at noen kan dokumentere god troverdighet med hensyn til trafikksikkerhetsgevinster. Sverige og Finland reduserer sin bruk av salt. Sverige og Finland har ikke noe verre trafikkskadebilde enn Norge – tvert imot. De har langt færre alvorlige ulykker enn oss, til tross for at de bruker langt mindre salt enn oss. I USA og Canada er veisalt kategorisert som gift, og ifølge deres forskning blir effekten i et vedlikeholdsperspektiv at salting av veiene medfører opp til 15 ganger dyrere drift og vedlikehold av veiene. På en reise Fremskrittspartiets fraksjon gjorde i Polen, hvor vi studerte motorveier og hvordan de forholdt seg til salting, så vi at det var anrettet viadukter etter motorveiene – mil etter mil – som samlet opp veisaltet og førte det til store oppsamlingskummer. Og hvorfor? Jo, polakkene er selvfølgelig klar over at dette er en gift, og de ønsker ikke å spre denne giften ut i naturen. Har noen, noen gang, i det hele tatt tenkt tanken i Norge? Bruken av salt har eksplodert under Salt SMART-prosjektet. Til og med våre egne drikkevannsreservoarer blir tilført denne giften. Å salte i så stor grad som det blir gjort i dag, kan best sammenlignes med å tisse i buksa. Det varmer en liten stund, men fysj, hvor kjedelig det blir etter noen tid. Ja, Vegvesenet sparer penger der og da, men regningen over tid

Normalt vil våre veier oppleve denne prosessen noen få ganger i året uten salt, men med salt vil denne kjemiske prosessen som saltet frambringer, føre til at issprengingen pågår nær sagt sammenhengende i månedsvis. Det er vel ikke slik at våre veier er uten sprekker, revner og hull som gjør at ikke saltet trenger seg inn nær sagt over alt, ikke minst ned i selve veifundamentet? Hvilken effekt dette har for veier, vedlikehold og skader, henger i luften, men jeg kan umulig forestille meg at det er positivt. Jeg føler et visst behov for å understreke at det ikke er

Denne vinteren er vi altså kommet opp i 330 000 tonn salt på veiene – altså en flerdobling av saltbruken. Årsaken er etter min oppfatning ganske klar. Entreprenørene salter heller enn å brøyte fordi det er billigere. Entreprenørene har kontrakter der billigste løsning er beste løsning, fordi det øker egen fortjeneste, selv om det utvilsomt bidrar til å øke statens utgifter både på kort og på lengre sikt altså suboptimalisering av aller beste merke. Resultatet ser vi nå. Aldri har vi hatt så dårlig asfaltdekke som etter denne vinteren, til tross for at vi bruker mer penger til drift og vedlikehold enn noen gang. Slik sett er dette en flik av en langt større og viktigere debatt. Jeg venter ikke at opposisjonspartiene skal erkjenne systemfeil som de selv har skapt, eller at de skal kunne se noen sammenheng i systemene. Men jo lenger vi venter med å angripe ondet ved roten, nemlig entreprenørenes melking av drifts- og vedlikeholdsmarkedet, jo større konsekvenser kommer det til å bli av dette. Jeg synes ikke lenger vi skal finne oss i at stadig økende kostnader påløper, mens vedlikeholdet bare blir dårligere, samtidig som veistandarden reduseres. Jeg synes ikke det er noe mål i seg selv å fylle entreprenørenes rikholdige lommer med ytterligere midler. Det blir ikke mer penger på veien av det. Derfor er jeg glad for en gryende debatt i flere fylker, bl.a. i mitt eget, der man ikke bare ser på kontraktsforvaltningen, men også på om det kan være fornuftig å ta tilbake vedlikeholdsoppgavene på veiene. veiene. Her er vi ved sakens kjerne. Vi trenger nå et helhetlig veivedlikehold sommer som vinter, som forlenger veiens levetid, ikke bryter dekkene og veilegemet ned. Vi må gjenvinne kompetansen i vedlikeholdet. Jeg ønsker meg kort og godt tilbake til den tida da vi hadde veiarbeidere som kunne noe om veien, som visste hvor det ble glatt tidlig, og som saltet der og ikke over alt. Jeg ønsker meg

andre – altså fra veieier – og de får oppfølging av oppdraget, gitt av veieier. Det de forteller, er at de har en klar melding om å pøse på med salt. Det er altså ikke den lille entreprenøren som gjør det selv, men det er signaler fra dem som har gitt dem oppdraget, og det er signaler fra dem som har oppfølgingen av oppdraget. Det er en ganske annen historie enn det representanten Gullvåg nå var oppe og fortalte. Det bringer meg videre til en liten hilsen til representanten Langeland fra Sosialistisk Venstreparti. Det er jo slik at når sosialister snakker om fornyelse, så blir det ofte forandring, men uten forbedring, eller det blir bevaring. Noen ønsker seg til og med tilbake til fjern fortid, slik vi nå hørte fra representanten Gullvåg. Når det er sagt, registrerer vi som har lagt frem forslaget, at det faktisk har fått en vennlig mottakelse. Det er vi jo ikke bortskjemt med i denne salen, for her har man som ryggrefleks at forslag fra Fremskrittspartiet knapt er verdt å lese. Men vi registrerer at forslaget faktisk har fått en vennlig mottakelse. Vi registrerer med tilfredshet at representanten Hareide har bekreftet min fortolkning, at man både fra Høyre og Kristelig Folkeparti er ute etter å snu utviklingen. Det er Fremskrittspartiet også. Jeg har også med glede lyttet til innlegget fra samferdselsministeren, som bekrefter at dette ser man på med stort alvor og med stor tyngde, og at man er innstilt på kanskje å gjøre noe mer, og tidligere, enn det man opprinnelig varslet. Slik sett må vi jo si oss tilfreds med det. Jeg tror det viktigste er at vi får større fokus på bruken av salt. Jeg har lyst til å avslutte med å si at det er en veldig klar kobling, etter Fremskrittspartiets syn, mellom denne barveistrategien og bruken av salt. Vi er kritiske til strategien som og vi håper at det blir en del av utredningen og vurderingen, og at man kanskje må endre den barveistrategien betydelig for å unngå de klare ulempene som saltbruken medfører, uten vel dokumenterte gevinster for trafikksikkerhet. Flere har ikke bedt om ordet til sak

15. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Presidenten vil videre foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter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 faktisk no fekk skryt av Framstegspartiet for at ein var lyttande i forhold til forslaga deira. Så det er jo eit framskritt både for Framstegspartiet og for sosialismen. Så kan me seia at no skal me òg over på den same profilen som den raud-grøne regjeringa hadde i den førre saka. Me lyttar altså til gode forslag. I denne saka dreier det seg om at Kristeleg Folkeparti ikkje nødvendigvis vil sykla mot stjernene, men iallfall få folk til å sykla meir. Der har me – ikkje minst har statsråden gjennom sitt svar til komiteen, men òg i samarbeid med dei raud-grøne politikarane her – prøvd å koma Kristeleg Folkepartis forslag i møte i stor grad. Me har òg sjølvsagt lytta til men òg i samarbeid med dei raud-grøne politikarane her – prøvd å koma Kristeleg Folkepartis forslag i møte i stor grad. Me har òg sjølvsagt lytta til Syklistenes Landsforening og andre grupper som jobbar for å fremja meir bruk av sykkel. Det er derfor med litt undring at Kristeleg Folkeparti vel å oppretthalda alle dei fem forslaga i dag. Dei er ikkje tekne opp enno, men iallfall er det det som er utgangspunktet. Lat oss ta forslaga punkt for punkt. Det første Det har me på mange måtar allereie vedteke i inneverande NTP, men så er det då tidspunktet for når ein kan koma i gang med dette. Som statsråden skriv, skal me ha ein oppstart på dette i 2012, ein skikkeleg kampanje for å imøtekoma Nasjonal transportplan sine krav, men òg det som Kristeleg Folkeparti repeterer i sitt forslag. men òg det som Kristeleg Folkeparti repeterer i sitt forslag. Men me er no altså inne i ein kartleggingsfase, sånn at me på ein måte skal skapa det samspelet som skal til for at ein får den informasjonspakka som trengst for å gjera arbeidet betre. Så tek òg Kristeleg Folkeparti opp eit forslag om ei belønningsordning. Når ein ser på talet på syklar rundt omkring, ligg Noreg på 4–5 pst., Sverige er oppe i

på ein positiv måte etter mi meining. Så er forslagsstillarane inne på at ein må ha meir vekt på planlegging og utbygging. Der tek òg regjeringa grep. Der samarbeider Statens vegvesen med kommunar og fylkeskommunar. I 2013 skal alle tettstader med over 5 000 innbyggjarar ha ein sånn plan for utbygging. Då imøtekjem me det forslaget òg frå Kristeleg Folkeparti. Så er det litt meir komplisert, men likevel kjem me òg Kristeleg Folkeparti i møte når det frå Kristeleg Folkeparti. Så er det litt meir komplisert, men likevel kjem me òg Kristeleg Folkeparti i møte når det gjeld trafikkreglar. Der er det nemleg sånn at me ser på vikepliktsreglane. Det er no ute på høring. Me har sagt, og det skriv me òg i innstillinga, at me skal vurdera heile regelverket i samband med me skal vurdera heile regelverket i samband med NTP, bl.a., og vurdera å ta inn prikkbelastingssystemet for bilførarar som oppfører seg dårleg eller kjører uvettig mot syklistane. Så det einaste punktet som eg ser at me er tydelege på at me ikkje vil gjera noko med før ei vurdering i NTP 2012, er dette med krav om 1,5 meter avstand frå bil til sykkel. Eg vil oppmoda Kristeleg Folkeparti, med utgangspunkt i den positive haldninga som regjeringa, statsråden og regjeringspartia har vist i forhold til Kristeleg Folkeparti sine forslag, om å vurdera å ikkje lata seg stemma ned på forslag som eigentleg er tekne vare på i innstillinga frå dei raud-grøne partia. Så no har fått føling med korleis det er å vera inne i regjeringsvarmen. Jeg vil starte med å takke saksordføreren for en god jobb med et representantforslag som tar opp mange gode og viktige spørsmål når det gjelder framkommelighet for syklister. Arbeiderpartiet er grunnleggende positivt til forslagene. Noen av dem er allerede under arbeid, andre kan det være aktuelt å se nærmere på. Jeg vil komme inn på forslagene senere i innlegget, men først la meg si dette: Sykkel trumfer alle andre transportmetoder når det gjelder å kutte utslippene, både av klimagasser og lokal forurensning. Sykkel trumfer alle andre transportmidler i et folkehelseperspektiv. Men la meg minne syklistene om at de ikke trumfer trafikkreglene, og at de også må følge dem. Men det gjelder også bilistene. Altfor mange bilister har en i beste fall uvøren, i verste fall direkte farlig holdning overfor syklistene. Forslagsstillerne foreslår bl.a. å øke satsingen på informasjonsarbeid for bedre samspill mellom trafikantgruppene. Jeg er glad for at regjeringen allerede har varslet et sånt arbeid i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. Statens vegvesen er i gang med å samle inn fakta og dokumentasjon. Holdningskampanjen skal starte opp i 2012. Jeg vil spesielt understreke at syklistenes meninger og erfaringer må bli tatt med i det arbeidet. Vi har et mye større potensial for sykkelbruk i Norge enn det vi nå har klart å utnytte, som saksordføreren var inne på. Regjeringen har som mål å doble andelen syklister i inneværende NTP-periode. Forslagsstillerne ønsker en egen belønningsordning for sykkel, på linje med den man har for kollektivtrafikken. Jeg vil minne om at i dagens belønningsordning for bedre kollektivtrafikk er det også mulig å legge inn positive tiltak rettet mot gående og syklister. Som eksempel brukte Vest-Agder/Kristiansand – i belønningsmidlene de fikk i 2010, til tiltak for gående og syklister. Arbeiderpartiet er heller ikke avvisende til å se nærmere på en egen belønningsordning for sykkel, og mener det naturlige tidspunktet for eventuelt å ta opp en diskusjon vil være i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan. Men jeg må legge til: En belønningsordning for sykkel må, på linje med den for kollektivtrafikken, også inneholde et element av bilbegrensende tiltak. Som et aktuelt eksempel kan nevnes å fjerne gateparkering for å legge til rette for sykkelveier, som jeg vet at er trøblete for byrådet her i byen, men som kunne være et eksempel på et aktuelt tiltak. Det er viktig å sikre at utbygging og planlegging av sykkelveier ikke taper i kampen mot bilene. Det er et mål at alle tettsteder/byer med over 5 000 innbyggere skal ha sammenhengende sykkelnett. Per i år har to tredjedeler av alle tettsteder og byer vedtatt planer for et hovedveinett for sykkel. Den siste tredjedelen følger med. Jeg har en formel som jeg ofte tenker på, og det er P=1/2 J – planlegging er halve jobben. Med planene i bunn kan man starte utbyggingen, men da må sykkelvei prioriteres, spesielt i bypakkene. Sykkel kan ikke bli en salderingspost for de større og tyngre investeringsprosjektene, og fylkeskommunene må bruke de pengene de får, og ikke sette dem på bok, som i Akershus, der den rød-grønne opposisjonen har foreslått å bruke mer på gang- og sykkelvei enn det blå-blå-gule styret i Akershus. Jeg nevnte viktigheten av å overholde trafikkreglene I representantforslaget reises det spørsmål ved om regelverket er godt og tydelig nok. Mye tyder på at det ikke er det, og Samferdselsdepartementet har allerede et forslag til presisering av vikepliktsreglene til behandling. Forslaget fra Kristelig Folkeparti er således å slå inn en allerede åpen dør. Jeg er også glad for at det store flertallet i komiteen, minus Fremskrittspartiet, er med på å be statsråden vurdere om hele inkludert om prikkbelastningssystemet bør gjøres gjeldende overfor uvettig kjøring overfor eller for nær forbikjøring av syklister. Vi støtter ikke forslaget om 1,5 meters-regel nå, men det kan bli aktuelt å drøfte dette på nytt senere. Sykkel løser ikke alle transportproblemer, men har et stort uutnyttet potensial i nærtransporten de fleste steder, og ikke minst i byområdene, der folk må kjøre mindre bil skal vi løse miljø- og framkommelighetsproblemene. Staten må bidra med midler og utbygging på de veiene vi har ansvaret for, men fylkene og kommunene må også gjøre jobben. Også de må tørre å gi syklene plass på bekostning av bilene, spesielt i de større byene. Representanten de Ruiter sa før jeg gikk opp på talerstolen at det har vært mye diskusjon om firefelts vei i dag, så kanskje vi burde foreslått en firefelts motorvei for syklistene også. Men det har jeg ikke tenkt å gjøre. Så registrerer jeg at representanten Gorm Kjernli, og for så vidt Hallgeir Langeland også, er opptatt av at bilistene er den store stygge ulven. Jeg opplever nok at dette kan deles veldig godt i to. i dag morges var det interessant å oppleve en syklist i fri utfoldelse på veien, og det var definitivt ikke noen god opplevelse. Så det er nok sånn at det finnes dårlige bilister, og det finnes dårlige syklister. Som på de fleste områder finnes det både gode og dårlige. Noen er flinke til å følge trafikkreglene av både bilister og syklister, og noen er det ikke. alle må ta sitt ansvar og ikke – sånn som jeg både opplever at enkelte aviser og andre i denne sal før meg har vært veldig opptatt av – skyte på bilistene. Men til forslaget: Jeg oppfatter at det man legger opp til, og det forslagsstillerne ønsker, og som jeg er veldig enig i, er at flere skal bruke sykkel som transportmiddel. Ja, det er mange bra momenter i forslaget som Kristelig Folkeparti legger fram. Men hvis man skal ta hensyn til forslagsstillernes ønsker, det også penger, og det trenges mye penger. Dessverre må jeg nok si at ikke dette i like stor grad er fulgt opp i Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjetter så langt. Spørsmålet til representanten Hareide må bli hvor han har tenkt å ta pengene til alle disse gode, men svært dyre forslagene fra. Er det bilistene som skal tas og flås enda mer, eller skal det tas fra jernbane, eller er det kollektivtrafikken, eller skal det komme nye, friske penger? For hvis Kristelig Folkeparti skal gjennomføre at bilistene skal kjøre minst 1,5 meter på utsiden av syklisten – ja, med de utfordringene man har mange steder i dette landet, ikke minst på Vestlandet, gleder jeg meg til å se den traileren som skal kjøre forbi 1,5 meter på utsiden av syklisten når den treffer ham på en del av de dårlige vestlandsveiene. Det er ikke fysisk mulig. Eller for så vidt for å ta det i den byen vi er i nå, eller i en del andre byer, er det nesten håpløst å klare å få til at man skal kjøre 1,5 meter på utsiden av syklisten. Så jeg er veldig spent på hvordan representanten Hareide, og for så vidt alle de andre som er positive til dette, skal kunne klare å få til det på en kortsiktig måte når man vet hvor gnitne de er, og hvor vanskelig det er å få ut ekstra penger til infrastrukturtiltak. Fremskrittspartiet vil sørge for at det blir bygd ut bedre sykkelstier og gangveier, men vi mener at det må være en del av den totale infrastrukturbyggingen, og viser derfor til våre forslag om en kraftig forsering av veibygging og trafikksikkerhet og utbygging av gang- og sykkelvei, som vi bl.a. har foreslått i storbypakken, som ligger i forslaget til Nasjonal transportplan, og som skal gjelde over en tiårsperiode. Dette vil bety en kraftig forbedring av syklistenes rammebetingelser i Til prikkbelastningssystemet: Det er sånn at Fremskrittspartiet mener, og har hele tiden ment, at dette er en dårlig løsning. Vi mener også at man har kunnet dokumentere med forskning at det ikke har hatt den effekten som man har ønsket. Derfor er vi også imot at man skal innføre et prikkbelastningssystem på dette området, når vi er imot det på de andre områdene. Vi har gitt klart uttrykk for at vi er imot at man skal vurdere prikkbelastningssystemet i forslaget fra Kristelig Folkeparti. Men det er mange gode ønsker og mange gode intensjoner her. Jeg tror kanskje det å innføre belønningsordninger på alle mulige områder ikke er det enkleste. Vi har i dag Aksjon skolevei, hvor mye av pengene faktisk går nettopp til gang- og sykkelvei for å bedre situasjonen for unge, og jeg tror kanskje man heller burde vurdere å utvide og styrke den ordningen, for det er noe mange fylkespolitikere, mange lag og foreninger og andre organisasjoner lokalt ønsker at man skal styrke. Så kanskje det burde vært bedre enn å opprette en ny ordning for bare gang- og sykkelvei. Jeg og Høyre oppfatter ikke dette som et angrep på bilistene fra Kristelig Folkeparti, og det er heller ikke sånn å oppfatte fra vår del, som har gått inn på en del av disse forslagene og merknadene. Snarere tvert imot har vi stor sympati for det initiativet som er tatt, og for den debatten som Kristelig Folkeparti reiser i denne saken. Høyre har lagt fram to viktige dokument for vår transportpolitikk framover. Det er Høyres transportplan, og det er vår kollektivplan for utviklingen i de store byene framover. I Høyres transportplan, som vi la fram for to år siden, beskriver vi en helhetlig og ny transportpolitikk som også omfatter syklister. Her tar vi til orde for en slik belønningsordning på 50 mill. kr til nettopp sykkeltiltak. Derfor støtter vi selvfølgelig også det forslaget som foreligger i dag. Til dette med stimuleringsordninger, som noen er litt skeptiske til: Jeg syns vi skal se på erfaringer fra belønningsordningen på kollektivtransport med øyne som registrerer at det har vært en stor suksess egentlig. Nå er vi altså oppe i 431 mill. kr for inneværende år. Det ble lansert av Bondevik med et beløp som var, jeg hadde nær sagt, tiendeparten av dette da man startet opp. Så her har vi altså sett en stor suksess som har virket, og som vi også får tilbakemeldinger på fra dem som har benyttet seg av den. Så jeg tror faktisk på ordninger som dette, som skal være akkurat det lille ekstra som får byene til å iverksette tiltak. Når det gjelder kollektivplanen for storbyene, vektlegger vi særlig sykkeltiltak, fordi vi ser at vi ikke greier den store utfordringen som kommer særlig i de store byområdene våre, uten å ta en del av det økte transport- og mobilitetsbehovet på sykkel og gange. Og derfor er det spesielt viktig å tilrettelegge for dette. Mange andre land har tilrettelagt for utstrakt sykkelturisme. Man baserer sin reiseopplevelse på sykkel. Vi fra Høyre har lagt inn en liten merknad om det i innstillingen og regner det vel nærmest som en inkurie at ikke flere har støttet den, for den syns vi faktisk har ganske mye for seg. får tilbakemelding fra mange som har vært på den type ferier i andre land. Man melder om flotte naturopplevelser som man kommer mye tettere på når man opplever dette i et noe saktere tempo enn med en bil, og man kommer på steder og veier som man vanligvis ikke reiser på. Det kan også gi et nytt tilskudd til turismen i Nettopp av denne grunn og av de grunnene jeg har nevnt før, mener vi at sykkelløsninger må inngå som en naturlig del av all planlegging av ny infrastruktur. Vi får nærmest en vinn-vinn-vinn-situasjon: Det tjener folkehelsen, man får en større opplevelse langs veien, og det letter trykket både på veiløsninger og kollektivløsninger i de store byene i framtiden. Så dette er en god sak. Det er stor enighet, og det er bra. Nå blir det interessant å se oppfølgingen fra regjeringen. Langeland fikk det nærmest til å høres ut som om dette var hans forslag, og at det var irriterende å registrere at Kristelig Folkeparti ikke hadde trukket seg på sine forslag ennå siden han var enig i dem. Det syns jeg var en litt pussig holdning. Det er vel sånn at det heter demokrati, eller et annet fremmedord er kanskje dialektikk – altså ting svinger. Jeg får gjøre Langeland oppmerksom på at opposisjonens rolle er å presse regjeringen også i saker som regjeringen etter hvert er enig i. Jeg tar opp de forslag som Høyre er medforslagsstiller til. Representanten Øyvind Halleraker har tatt opp de forslag han har sjølv sete som miljøvernminister med Hallgeir Langeland i opposisjon, og eg veit godt at han kjenner til kva som er opposisjonens rolle. Eg har lyst til å takke for dei gode orda frå alle, faktisk, som har teke ordet i denne saka, men eg vil gje ein spesiell honnør til saksordføraren, som eg opplever har gjort ein veldig, veldig god jobb her, for både ein betre og meir offensiv sykkelpolitikk. Det er eg veldig glad for, for eg trur at sykkel er veldig genialt med det livet me lever i dag, der me sit meir og meir i ro, der mange av oss har eit arbeid som gjer at me ikkje får bevega oss sånn som me fekk i tidlegare tider. Da er sykkel genialt for å kome seg både til og frå jobb. Og, ikkje minst, me har ei klimautfordring som blir større og større, og da er, som Gorm Kjernli sa, sykkel det mest miljøvenlege alternativet. Men det er eit lite paradoks: Medan sykkelinteressa i Noreg kanskje er større enn nokon gong, er det sånn at når Birkebeinerrittet har påmelding kl. 10 og me har sett møtet her i salen, er me når me er tilbake på kontoret, for seine til å få plass i Birkebeinerrittet, for da er det fullteikna. Sykkelinteressa er til å få plass i Birkebeinerrittet, for da er det fullteikna. Sykkelinteressa er større enn nokon gang, men talet på dei som syklar, går likevel ned. Frå 2005 til 2009 gjekk det ned frå 5 pst. til 4 pst. Og det er enda meir dramatisk når vi veit at det frå 1992 gjekk ned frå og til dei 4 pst. som vi hadde i 2009. Når me ser på talet for aldersgruppa 14–17 år, var det 15 pst. i 1992, og i dag er talet nede på 9 pst. Det er dramatiske tal, og det viser at det er behov for å kome med gode politiske tiltak. Derfor er eg veldig glad for dei signala som kjem frå fleirtalet, særleg frå regjeringspartia. ' Når det gjeld belønningsordninga, er det å få ei eiga belønningsordning for sykkel er eit veldig godt tiltak. Eg har lyst til å bruke to grunngivingar for det. Det eine er at me har hatt ei belønningsordning for kollektivtrafikk som har vore veldig god. Eg trur at denne ordninga for sykkel kan vere like god. Så er det riktig, som det er sagt, at det er ein del byar som kan bli med på den belønningsordninga som er i dag, men det er dei største byane. Veldig mange av dei byane som kallar seg sykkelbyar, kan altså ikkje bli ein del av den belønningsordninga me har for kollektivtrafikken. Derfor er det å få vil eg gjerne kalle ho for Langeland-ordninga. Eg har òg lagt merke til den positive viljen som me ser når det gjeld regelverket for syklistar. Det er behov for å sjå på tryggleiken knytt til syklistane. Offentleg statistikk over trafikkulykker med syklande involverte viser at to av tre ulykker skjer i samband med kryss. I perioden 2005–2008 blei det registrert 2 900 ulykker med syklande involverte. 1 809 av desse skjedde i kryss, heile 277 ulykker i avkjørsel, og 18 av dei 33 trafikkulykkene syklistar i perioden frå 2005 til 2008 skjedde altså i kryss. Måla våre er altså at me skal få 8 pst. som syklar. I Nederland er talet oppe i 27 pst., i Danmark er det 17 pst., og i Sverige er det 10 pst. Derfor er det viktig at me sikrar at det blir tryggare å sykle, sikrare å sykle. Det er viktig. Derfor vil eg fremme forslaga som ligg i innstillinga på vegner av Kristeleg Folkeparti. Så opplever eg at ein har kome Kristeleg Folkeparti i møte på ein veldig god måte, og eg vil vurdere om nokre av forslaga skal bli oversendingsforslag. Men eg ventar med det til eg har hørt statsråden.

takk til Kristelig Folkeparti for å ha tatt et riktig og viktig initiativ for syklistene. En liten tur over Skagerrak til vår nabo i sør, Danmark, forteller meg at disse forslagene hadde hatt godt av å bli vedtatt her i dag. Jeg skal være kort, men vil varsle at Venstre vil støtte mindretallsforslagene, noe som neppe vil overraske noen. Venstre har allerede i sitt alternative statsbudsjett foreslått en belønningsordning for syklister, etter modell fra den belønningsordningen Venstres samferdselsminister Torild Skogsholm opprettet for Vi har også foreslått en belønningsordning for syklister i vårt reviderte budsjett, som kommer opp på fredag. Det er lokalvalg til høsten, og noe av den viktigste sykkelsatsingen foregår i kommunene. Et etterlengtet sykkelløft er et løft både for klima, byluft og helsebudsjett. Det henger også sammen med kommunenes ansvar når det gjelder forebyggende helsearbeid, mange også fra regjeringspartiene snakket varmt om i første debatt her i dag, nemlig om Samhandlingsreformen. Det er derfor litt underlig at de samme partiene stemmer ned dette forslaget her i kveld. Så gjentar representanten Gorm Kjernli usannheter om at Akershus fylkesting setter penger på bok istedenfor å satse på sykkel. Jeg har god dialog med flertallet i Akershus. De driver ansvarlig økonomisk politikk. De bruker pengene én gang, mens opposisjonen i Akershus bruker dem flere ganger og til forskjellige formål. Flertallet i fylkestinget la inn noen midler til buffer i budsjettet, men det var frie midler som følge av forvaltningsreformen. I forrige debatt ville representanten Kjernli bruke disse pengene på vei, nå vil ha bruke dem på sykkel. Representanten Kjernli må snart bestemme seg. Eg begynte denne dagen i Sund kommune. Det galdt opning av ein ny fylkesveg, ein gang- og sykkelveg, Eide–Vorland, 3,2 km – regn og blåst, musikkorps, som alltid er på plass når noko skal feirast, mange glade folk. Det var den sjuande parsellen med gang- og sykkelveg i Sund i løpet av dei ti åra dei hadde arbeidd med dette. Dei understreka kva lyft dei hadde fått då tiltakspakka kom og det var mogleg for alle som hadde planar, å rydda skuffane og setja i gang. heile tida hadde hatt ein strategi om å ha planar klare i tilfelle dei skulle få til ei realisering i ein fart. Dei hadde i tillegg til planar om gang- og sykkelveg lagt til rette for vatn og for fiber. Dei hadde i det heile i staden for det som mange kommunar gjer, grev opp og grev ned, grev opp og grev ned – sett mykje i samanheng og lagt til rette både for ein trygg skuleveg og for meir trivsel for folk som vil gå og sykle. Eit eksempel til etterfølging. Så tykkjer eg det er fint å avslutta denne dagen med ein debatt om korleis vi kan få fleire til å sykla. Sykkel er helse, miljø og framkomst. Eg er veldig fornøgd med at vi for fyrste gong ser ein nedgang i bruken av bil i samband med arbeidsreiser i Austlandsområdet. Det er fleire som syklar, det er fleire som går, og det er fleire som reiser kollektivt enn før, men det er heilt openbert at skal vi få dette til meir systematisk, trengst det meir samanhengande sykkelvegnett. Difor er det no ein byar med over 5 000 innbyggjarar er med nettopp for å få på plass eit samanhengande gang- og sykkelvegnett. Regjeringa har 500 km gang- og sykkelveg som mål i nasjonal transportplanperioden. Vi har auka innsatsen med Eg trur det er viktig å bidra i lokale dugnader der det er lokal vilje til kreative løysingar, slik som vi såg i Sund, og slik som vi ser i Lesja. Der er dei faktisk i ferd med å få på plass samanhengande gang- og sykkelveg langs E136 gjennom heile Lesja. Grunneigarane har vel 100 dekar med matjord. Det er utført mykje dugnad, og det er statlege, fylkeskommunale og kommunale midlar i tillegg. Det fortel noko om at lokal vilje gjev resultat. Det fortel òg innsatsen i Kristiansand og Trondheim om. Der er altså Eg skal ikkje seia om det er belønningsordninga som har slått direkte inn, men det er i alle fall tilfelle at i den belønningsordninga som vi har i dag, er òg det å ha sykkelvegnett eit eige tema. Til dei andre forslaga frå Kristeleg Folkeparti, slik dei er fremja i dag, har dei, og eg har lite å føya til. Men sidan komiteens leiar ynskjer statsråden si utkvittering av dei, så lat meg seia at det kjem ein informasjonskampanje i 2012. Vi ser på ei eiga belønningsordning i neste NTP. Vi brukar i dag ordninga vi har, for å styrkja kollektivtransport, gang- og til sykkeltrafikken skal takast i vare ved planlegging og utbygging av ny infrastruktur. Vi ser på klarare trafikkreglar. 1,5-metersregelen som ein her vil ha på plass, ynskjer eg å venta med. Det Da opplevde me nesten at statsråden lyste velsigninga over delar av forslaget i sitt sluttinnlegg. Det eg har lyst til å stille statsråden spørsmål om, er den utviklinga me ser. ser at tala viser ein nedgang frå 7 pst. i 1992 til 4 pst. i dag, og når ein ser på aldersgruppa 14–17 år, har ein i den same perioden hatt ein nedgang frå 15 pst. til 9 pst. Det kan ha si årsak i meir dataspel og slikt. Me har hatt ei målsetjing i denne perioden om å gå i positiv retning, og så ser me at me har gått i negativ retning. så ser me at me har gått i negativ retning. Derfor er mitt spørsmål: Vil statsråden no lyfte dette området så sterkt at me greier å snu den negative utviklinga som me no ser? Sykling er helse, miljø og framkomst. Difor er det avgjerande viktig at vi uavlateleg prioriterer det og storting i alt vårt arbeid. Difor er det viktig med informasjonskampanjar, og difor er det viktig med tilrettelegging. Det som er avgjerande, er nettopp den lokale tilrettelegginga. Så har eg stilt meg spørsmålet: Kva er det som skjuler seg bak desse tala? Det kan faktisk vera tilfellet at noko av dette kjem av at fleire går, og at fleire reiser kollektivt framfor å bruka bil. Men eg synest det er all grunn til både å vera uroleg og å forsterka innsatsen. Vi har sagt i nasjonal transportplansamanheng frå regjeringa at vi vil ha talet på skuleelevar mellom 6 og 15 år som syklar, opp frå 60 pst. til 80 pst. Vi er opplever at når det gjelder de to forslagene som Høyre og Kristelig Folkeparti står sammen om, så kommer det veldig tydelige og sterke signaler fra regjeringen og regjeringspartiene. Det er veldig bra. bra. Da er det litt fristende å snu speilet og spørre om det ikke kunne være en idé å stemme for to gode forslag som man er for, i stedet for å bruke tid på å henstille om at forslag, som man da altså er enig i, skal trekkes, slik at man får anledning til å fremme dem selv på et senere tidspunkt. Jeg tror at hvis statsråden gir det råd til sine medrepresentanter i de rød-grønne partiene, så ville vi få et stort flertall for de to forslagene. Kan statsråden tenke seg det? Det må jo vera opp til Stortinget å gjera ei vurdering av korleis ein vil handtera dei ulike forslaga som er fremja. Når eg stiller meg grunnleggjande positiv til dei initiativa som er føreslåtte i forslaga, og saksordføraren, frå SV, og dei andre raud-grøne partia strekar under det same, så er jo det fordi vi faktisk er godt fornøgde med å varsla at fleire av desse forslaga som er i stor grad allereie er under arbeid. Stortinget pleier ikkje å ha for vane å stemma for forslag som allereie er i godt arbeid. Eg registrerer at her er brei semje om at sykkel er helse, miljø og framkost, og at vi må

Men sykkel innebærer også, dessverre, stor risiko. Så tiltak for å øke sykkelandelen er viktig, men samtidig må man også gjøre det tryggere å sykle. Idet vi startet debatten her i dag, var jeg inne på nett og leste Trønder-Avisa. Hovedoppslaget der var: «Syklist kolliderte med bil. Fraktet til lege med moderate eller lettere skader.» Heldigvis gikk det forholdsvis bra denne gangen – tross alt. Syklisten skulle krysse veien og kjørte inn i en saktegående bil. Å være syklist er den vanskeligste rollen i trafikken. For «syklist» er ingen egen trafikantgruppe, man er enten kjørende eller gående i forhold til trafikkreglene. Dette skal vi altså lære ungene våre. Vi skal lære ungene våre at de er gående når de velger å sykle på fortauet, og at de er kjørende når de velger å sykle i veien. Dette er vanskelig. Sykler du i veien, er du kjørende. Hvis du skal gjennom et kryss, er det vanlige vikepliktsregler som gjelder, det samme som gjelder for biler. Hvis du sykler på fortauet, er du gående, da må du gå av sykkelen og gå over gangfeltet hvis bilistene skal ha vikeplikt for deg. Dette skal altså ungene lære seg. De skal huske på det. Jeg ser daglig voksne som ikke har lært seg dette – eller som ikke husker på det. Så sykkelregler er vanskelig. Derfor er det lurt å ha en gjennomgang. Jeg testet meg selv i testen på vegvesen.no i dag – og jeg klarte ikke alle oppgavene som en syklist bør klare. Det tyder på at enten er det meg det er noe galt med, eller så er det reglene det er noe galt med – og jeg velger da selvfølgelig å tro det siste. Derfor håper jeg at denne gjennomgangen som man nå har, ender opp i en forenkling av trafikkreglene, og at man vurderer om syklistene faktisk skal være en egen trafikantgruppe. Når man nå diskuterer tiltak overfor syklister, ikke minst når det gjelder sikkerhet, overrasker det meg litt at ikke Kristelig Folkeparti i samme omgang diskuterer dette med sykkelhjelm. Bør vi ha sykkelhjelmpåbud? Det synes jeg er en reell og viktig diskusjon. Jeg mener grunnleggende sett at vi burde hatt det. Sykkelhjelm er for syklister det samme som bilbelte er for bilister. Dessuten finnes det hjelmer i mange varianter. Jeg har sett bilde av samferdselsministeren med fin hjelm, og jeg fikk sist uke en vakker hjelm, som ser ut som en hatt, i gave fra Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag. Sånne ting må vi også diskutere. Når det gjelder gang- og sykkelveier, vil jeg bare si følgende: Det aller, aller viktigste må jo være at vi får gang- og sykkelveier i en omkrets av skolene, først i en omkrets av 2 km, deretter i en omkrets av 4 km. Skal man se på en belønningsordning eller en gjeninnføring av Aksjon skolevei, ja så bør vi begynne der. Først skoleveien til ungene, den bør Jeg har tidligere sittet seks år i bystyret, i planutvalget i Arendal, og vært med på å få anlagt gang- og sykkelstier mange steder i min kjære kommune. Stor er ofte skuffelsen når jeg sjelden eller aldri ser at syklistene bruker denne kostbare sykkelstien. De kjører alltid i bilveien – med noen få unntak. Da lurer jeg ofte på om de som sykler, egentlig vil ha sykkelsti og trygge sykkelveier, og om å bekoste dette. Man skulle kanskje innføre en form for prikkbelastning av syklister som ikke bruker tilgjengelig, kostbar sykkelsti. Det finnes vel ikke noe som er mer irriterende – og ikke minst farlig – enn at en syklist hindrer trafikken, og det er en fullverdig sykkelsti ved siden av, som ingen bruker. Men konklusjonen min er, tross alt, at for barnas skyld er vi nødt til å bygge I Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2011 har vi lagt inn 100 mrd. kr til opprusting av transportnettet i de største byene. Dette inkluderer også midler til gang- og sykkelveier. Kristelig Folkeparti krever at det skal være 1,5 m klaring ved forbikjøring av syklister, men det vil føre til at de aller fleste veiene i Norge ikke er tilfredsstillende, noe veiene allerede i utgangspunktet ikke er – altså tilfredsstillende. Ja, selv ikke når vi kun tar hensyn til bilistene. Med de veiskuldrene vi har på våre veier i dag i Norge, ca. 10–30 cm på de fleste fylkesveier, blir det totalt umulig å tilfredsstille disse kravene om at det skal komme inn i trafikkreglene at det skal være 1,5 m klaring ved forbikjøring av syklister. Dersom kravet er der før veiene er utbedret, kommer man i trafikkfarlige situasjoner, for man må langt over i motgående kjørefelt hver gang man skal kjøre forbi en syklist, noe man allerede i dag gjør. Det er det som gjør at det er nifst å kjøre forbi en syklist. Slik som veisituasjonen er i dag, støtter vi statsrådens konklusjon om å vente med å sette i gang arbeidet med å innføre 1,5-metersregelen. Det er i grunnen forunderlig at veiene ikke er bedre tilrettelagt for syklister i landet vårt, særlig når vi ser tilbake på at i 50 av de siste 66 årene har det vært sosialistiske regjeringer – uten at det har forbedret veinettet for syklistene i noen særlig grad. Jeg hører at noen misliker å bli kalt sosialister, men slik jeg ser det, er de det. På Google kan man lese: Sosialister er vanligvis medlemmer av et sosialistisk parti. Sosialistisk ideologi har i stor grad vært arbeiderbevegelsen.
Fremskrittspartiet? Da er neste taler representanten Knut Arild Hareide, og deretter representanten

for å få opp sykkelandelen i Norge og bedre sikkerheten. Sentrale mål i strategien er å bygge ut sammenhengende sykkelnett i byer og tettsteder og øke andelen som sykler fra dagens 4 pst. til 8 pst. over en tiårsperiode. Det er lagt til grunn at det skal bygges om lag 500 km nye gang- og sykkelanlegg i perioden. I innstillingen fra transportkomiteen til Nasjonal transportplan 2010–2019 har flertallet, dvs. Arbeiderpartiet, SV, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, vedtatt noe av det samme som ligger i forslaget fra Kristelig Folkeparti, bl.a. at det trengs en offensiv nasjonal innsats for bedre og flere sykkelveier der man etablerer sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder der sykkeltrafikken får et eget nett som er atskilt fra biler og gående at det er en rekke uklarheter og oppfatninger om eksisterende regelverk som må ryddes opp i, eksempelvis sykling i kjørebanen, vikeplikt i kryss, fortaussykling osv. at det er nødvendig med intensivert statlig informasjonsarbeid og omfattende holdningskampanjer at ved planlegging og utbygging av nye infrastrukturanlegg og andre endringer i transportnettet må hensynet til sykkeltrafikanter ivaretas, at satsing på sykkel er tatt inn som et kriterium for å få tilskudd fra belønningsordningen for kollektivtrafikk i de største byene Som vi ser av statsrådens svar til forslaget, er vi godt i gang med å følge opp den nasjonale sykkelstrategien to år inn i planperioden. Det er jeg glad for. Likevel – vi har fortsatt utfordringer, ikke minst når det gjelder holdningsskapende arbeid og en klargjøring av og opplæring i regelverk som gjelder for syklende og samspillet med andre trafikanter. Mopedister som får lov å kjøre i maks 40–45 km/t, må gjennom både teoretisk og praktisk opplæring før de får bevege seg ut i trafikken. Det må ikke syklister som sykler i samme fart. Opplæring i trafikkregler er grunnleggende viktig før man beveger seg ut i trafikken. Her mener jeg skolene i tillegg til foresatte har en rolle å spille når det gjelder å lære ungene dette, og kjøreskolene må ta mer ansvar for opplæring av bil- og motorsykkelførere når det gjelder samspill med syklister og andre medtrafikanter. Utbygging av et sammenhengende sykkelveinett i byene er helt nødvendig for å øke andelen syklende, og jeg mener det på sikt, når atskilte sykkel- og gangveier er bygd ut, bør bli forbudt å sykle på fortau og i gågater. I tillegg bør vi skille mellom og tilrettelegge for transportsykling og tursykling. I dag må man mange steder sykle på fortau, i veibanen eller på sykkelstier som er bygd slik at man må krysse fortau og veier med høye kantsteiner. Det umuliggjør transportsykling. Dette er en utfordring som må inn i planene, for det er grunnleggende viktig for å få bygd ut flere sykkelstier at kommunene sørger for klare planer for sykkelstier slik at vi kan prioritere når pengene er der. Flere byer jobber systematisk med dette og har økt sykkelandelen de siste årene. Det er bra. Men potensialet er mye større. Derfor er det bra at vi har samme ambisjoner som forslagsstillerne i denne saken.
Da er neste taler representanten Knut Arild Hareide,

Jeg har ikke sagt noe om fordelingen av disse pengene. Og hun har rett i at posisjonen i Akershus valgte å sette pengene i en buffer. Det ønsket ikke opposisjonen å gjøre. Det var det jeg sa. Så har posisjonen i Akershus åpnet for forskuttering, at kommunene skal forskuttere gang- og sykkelvei for fylkeskommunen – altså at kommunene kan betale seg fram i køen. Det har det vært liten interesse for i kommunene. Fylkeskommunen, og opposisjonen der – Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti – skyver altså ansvaret over på kommunene. Det de rød-grønne i Akershus i tillegg har foreslått, er et lånopptak på 100 mill. kr for å få unna den køen som er på gang- og sykkelveier i Akershus, for å sørge for trygge skoleveier – som for Oscar i Sørum, som i dag isteden må ta taxi noen få hundre meter fordi han har en farlig skolevei. og Oscar hadde fått en trygg skolevei. Det stemte Venstre imot. For posisjonen i Akershus er det de store investeringsprosjektene på vei som har fokus, og jeg registrerer at gang- og sykkelvei ikke blir prioritert der. Eg vil takke for ein god debatt. Eg har lyst til å vise til representanten Eg vil takke for ein god debatt. Eg har lyst til å vise til representanten Susanne Bratli sitt innlegg, som viser kor viktig det er at me får ei forenkling av trafikkregelverket for nettopp syklistane. Syklistane er jo ei veldig ueinsarta gruppe. Det er tiåringen som syklar, det er trettiåringen i som syklar, og det er 75-åringen som har litt betre tid. Derfor er det viktig at me får sett på heilskapen i dette. Eg òg er open for å vurdere det som går på eit eventuelt påbod av hjelm, men eg synest òg det er viktig, før det regelverket eventuelt kjem på plass, at me har ei høyring om det forslaget, og at dei gruppene som det er naturleg å spørje, får lov til å gi sitt syn på det. Så tek representanten Godskesen opp kvifor det då er så mange som ikkje bruker gang- og sykkelvegar når dei er der. Og det er ei interessant problemstilling som eg synest det er viktig at Statens vegvesen ser på. For det er faktisk sånn at me har bygd mange gang- og sykkelvegar som ikkje blir opplevde som gode for syklistane. Det tek for lang tid, dei er ikkje eigna til å Vegdirektøren tok jo dette opp på den siste komitéreisa, der han sa at me må sjå på dette. Kva er gode gang- og sykkelvegar i framtida? Statsråden sa det sjølv: Det er noko med at det er samanhengande, som gjer at du kjem deg raskt frå A til B. Det er òg viktig for syklistane. Så er det fleire som har teke opp dette med 1,5 meter. Eg har lyst til å seie at dette er den norma som Statens vegvesen bruker i dag. Og dette gjeld altså i samband med forbikøyring, dvs. at dersom vegen ikkje tillèt det, viss vogntoget køyrer forbi og det då berre er 20 cm mellom syklist og vogntog, ja då bør ikkje vogntoget køyre forbi. Det er jo det som er tanken. Det er sikkerheit som er grunnlaget for dette. Så vil eg òg seie at det skjer mykje positivt. Det er blitt vist til byane, til Trondheim og Kristiansand. Der ser me at det kjem store vegpakkar samtidig som det er stor satsing på sykkel. Den delen som Trondheim kjem med, er betydeleg, og det vil gi eit lyft. Så vil eg gjere Det som går på informasjonsarbeid og haldningskampanjar, opplever eg er følgt opp. Både forslaga nr. 4 og 5 er forslag som står på eigne bein. Derfor lèt eg dei stå, men gjer forslag nr. 3 om til eit oversendingsforslag. Forslag nr. 3 vil dermed bli gjort om til et oversendelsesforslag. Som Aust-Agder-representant føler jeg meg nesten forpliktet til å ta ordet i denne debatten. Vi er

Vi er selvfølgelig også stolte av Grimstad, som har kommet veldig langt, og som er en av sykkelbyene i front – dog ikke blant de største byene. Men jeg er veldig glad for fokuset – nå ser jeg at representanten Tenden febrilsk prøver å fortelle meg at de har Venstre-ordfører, men dette har han ikke gjort helt alene. Jeg er i alle fall veldig stolt av Grimstad. Det er en annen Grimstad-syklist som er rimelig kjent. Han heter Dag Han har påpekt at norske bilister er blant de verste i verden når det gjelder å ta hensyn til syklister. Det er det verdt å legge vekt på. Er det noen som har erfaringsgrunnlag etter å ha syklet i veldig mange land, er det jo disse toppsyklistene. Jeg er helt enig med representanten Bratli, som etterlyser fortgang i det som går på sykkelhjelm. ser egentlig ingen logikk i at det ikke skal være påbudt, ettersom mange syklister sykler akkurat like fort som en moped kjører. Men på moped må du ha hjelm, ikke på sykkel. Det som også fikk meg til å ta ordet, er psykologien i det Fremskrittspartiet sier. Det er veldig, veldig interessant, for selv i denne debatten klarer Fremskrittspartiet å skape et motsetningsforhold, klarer å skape et inntrykk av at det er synd på bilistene, selv i forhold til syklistene. De klarer å forsvare den irriterte bilisten. Ja, generelt spiller de på den irriterte bilisten. Det gir seg også uttrykk i politikken: høyere fart, nei til prikker, nei til gjennomsnittsmålinger. Tidligere var det også nei til utrykningspolitiet, og enkelte fremskrittspartirepresentanter vil ha sprit på bensinstasjonen. På denne måten blir det farligere for både de harde og de myke trafikantene. Så la oss håpe at en sånn politikk i hvert fall ikke får gjennomslag. Så til representanten Godskesen når det gjelder gang- og Nå er jeg relativt nybakt far, og det å gå på en smal sykkelsti med barnevogn når det kommer en syklist susende i 40–50–60 km/t, viser at mange gang- og sykkelstier ikke er egnet for den type transport. Så det er helt forståelig at folk som skal sykle fort, søker ut i veien. Derfor må vi ha egne sykkelveier. Ellers blir ikke dette trafikksikkert nok. Da er neste taler representanten Knut Arild Hareide, og deretter representanten

Så må eg kommentera Halleraker litt når det gjeld det at han foreslo at regjeringa skulle stemma for dei forslaga dei eigentleg er for. Noko av problemet ved det er bl.a. at det som går på belønningsordning, er knytt opp Høgre og Kristeleg Folkeparti, som har vore i ei regjering som ikkje satsa så mykje på sykkel, veit at å foreslå det i dag, og få det inn i budsjettet for 2012, er for seint. Derfor kan ikkje regjeringspartia støtta den gode intensjonen til Halleraker. Eg har òg lyst til å kommentera Halleraker sin inkuriepåstand Det er for så vidt riktig, men noko av forklaringa er at Høgre kom med den merknaden seint og at han var knytt opp mot Høgres transportplan. Derfor gjekk me ikkje inn i han. Hadde Halleraker komme og snakka med meg og vist kva det eigentleg var, så trur eg det hadde gått i orden. Men eg merka ikkje nokon lobbyisme frå Høgre Eg håpar at den debatten me har i dag, kan gje grunnlag for sterkare satsing på sykkel, som er viktig for helsa, for miljøet og for klimaet – alt det me har hatt oppe i debatten. Så vil eg takka Kristeleg Folkeparti for at dei fremma eit godt forslag, eit forslag som er godt

vi er for ditt, og vi er for datt – alkohol på bensinstasjoner. Det kunne vært artig, og vi kunne gjerne tatt den debatten, men jeg mener at den ikke hører hjemme i denne salen og i denne debatten. Men gjerne det: Når det passer i en alkoholdebatt, tar jeg gjerne debatt med representanten Freddy de Ruiter. At han er for regulering og alt mulig, får være hans greie, men dette er mye mer enn som så. Jeg synes egentlig at dette har vært en veldig bra debatt. Og starten på de Ruiters innlegg var faktisk ganske god. Men så tok det helt av. Jeg har veldig stor sans for en del av det som representanten Hareide har tatt opp i denne debatten. Jeg synes også statsråden har vært bra på en del av utfordringene som har kommet, og Fremskrittspartiet er enig i det. Men så er vi kanskje litt uenige – vi er ikke sikre på at om man bare lager en ny ordning, så klarer man å løse dette. Det trengs penger. Vi blir alltid beskyldt for at vi har for mye penger, vi bruker for mye penger. Vi vet hvor vanskelig det er å klare å dra ut noen hundre millioner kroner ekstra. Men hvis en skal gjøre alt det som jeg hører representanter fra regjeringspartiene sier at de er veldig opptatt av, så koster det penger – det koster mye penger. Jeg synes det er viktig å få fram at ja, det finnes dårlige bilister, men det finnes jammen dårlige syklister også. Det var hele poenget mitt, og det var det som var poenget da jeg tok opp dette, og ikke at jeg skulle henge ut syklistene ved å si at det bare var syklistene som var de stygge, og at jeg skulle forsvare bilistene. Man behøver ikke å kjøre veldig mye rundt i denne byen før man både ser bilister som oppfører seg idiotisk i trafikken, og ser syklister som også definitivt oppfører seg idiotisk i trafikken. Det er jo det dette handler om, og derfor er jeg enig i mye av det som statsråden har kommet med. Jeg synes statsråden hadde et veldig grundig svar til komiteen på spørsmålene som kom fra komiteen, og for så vidt på og jeg synes definitivt at det er en del ting man bør diskutere nærmere. Jeg har bare lyst til å vise til at i Telemark har man bl.a. et prosjekt hvor man også er aktivt ute i skolen for å få ungdom til å sykle mer, hvor de også aktivt lærer trafikkreglene på en god måte. Det er et kjempeviktig og kjempegodt prosjekt, og vi burde kanskje hatt flere av den type prosjekter, slik at flere unge ville begynne å sykle, og slik at de også kunne trafikkreglene og oppførte seg sånn som man skal i trafikken, enten man er bilist eller man er Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 16. Etter ønske fra utenriks- og forsvarskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 17 og 18 behandles under ett – og anser det som vedtatt.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

om norsk NATO-politikk, noe som bekreftes gjennom disse innstillingene. Gjennom dette trygger vi Norges sikkerhet og bidrar samtidig til En forutsetning for et godt militært samarbeid er imidlertid at vi også lykkes på det politiske plan. Med en utvikling hvor EU-landene i alliansen går langt i å samordne politikken på forsvars- og sikkerhetsområdet gjennom EUs organer, er det særlig viktig å sikre den politiske delen av NATO-samarbeidet. Vi er ikke tjent med en utvikling hvor NATO forblir den viktigste militære aktøren, mens de viktigste politiske diskusjonene om europeisk og global sikkerhet finner sted i EU. Som kjent var Norges viktigste innspill i debatten i NATO om et nytt strategisk konsept det såkalte nærområdeinitiativet. Jeg deler fullt ut regjeringens vurdering av betydningen av å tydeliggjøre balansen mellom NATOs kjerneoppgaver og operasjoner utenfor NATOs geografiske nedslagsfelt. NATO må fokusere mer på alliansens kjerneoppgaver og utfordringene i NATOs geografiske periferi. Operasjoner langt borte må ikke gå ut over det kollektive forsvaret av NATO-landenes territorier. Likeledes støtter vi helhjertet opp om arbeidet for å få spørsmål om nedrustning høyere opp på agendaen. Det er all grunn til å hilse velkommen at NATO i sitt nye konsept for første gang forplikter seg til å arbeide for en verden uten kjernefysiske våpen. Når det gjelder regjeringens tredje prioriterte område, er det lett å gi tilslutning til viktigheten av et nært og konstruktivt samarbeid med Russland. Et varig grunnlag for fred og stabilitet i vår del av verden må inkludere Russland. NATO-samarbeidet er basert på konsensus. Dette har i noen tilfeller hvor landene ikke har kommet til enighet om å sette i verk militære aksjoner, ført til etablering av såkalte koalisjoner av villige. Det er situasjoner hvor dette vil være nødvendig, men vi skal være oppmerksomme på at slike koalisjoner vil kunne svekke den politiske alliansen som er selve limet i samarbeidet, om det foregår utenfor NATO-samarbeidets formelle ramme og beslutningsorganer. Meldingen om samarbeidet i NATO i 2010 viser stor aktivitet på mange fronter og med ISAF-operasjonene i Afghanistan som den største operative utfordringen. Vedtaket om å starte overføringen av ansvaret for sikkerheten til afghanske myndigheter i 2011 innleder en ny fase for alliansens innsats i landet. Etter anmodning fra FN bidrar NATO gjennom operasjonen Ocean Shield positivt i kampen mot piratvirksomheten utenfor Afrikas Horn. NATOs engasjement i Kosovo skal etter planen gradvis reduseres etter hvert som de lokale myndigheter blir i stand til å ivareta sikkerheten i området. Arbeidet for å implementere FN-resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet i NATO fortsetter. Det er gledelig at regjeringen har utarbeidet en egen handlingsplan for å ivareta behov og rettigheter for kvinner i konfliktområder. Det er et viktig område som ikke må glemmes i kampens hete. Den teknologiske utvikling gjør våre moderne samfunn sårbare mot angrep på tekniske installasjoner. Vern mot dataangrep eller såkalt cyberforsvar blir derfor et stadig viktigere satsingsområde. Kunnskap og evne til å håndtere trusler både mot militære anlegg og grunnleggende sivile innretninger vil være avgjørende. NATO-toppmøtet i Lisboa viet derfor dette temaet betydelig oppmerksomhet. Det legges opp til behandling av en oppdatert dataforsvarspolitikk i løpet av 2011. NATOs partnerskapspolitikk er en viktig del av alliansens virksomhet. Den bygger på to grunnpilarer: en praktisk del der NATO tilbyr diverse former for bistand og opplæring med sikte på forsvarsreform, økt trygghet for det sivile samfunn og samarbeid med NATO-styrker, og en mer politisk del som omhandler politisk dialog og støtte til reformprosesser. I året som gikk, omfattet denne virksomheten bl.a. Russland, landene på Balkan, Middelhavslandene, Ukraina og Arbeidet med å reformere NATOs organisasjon fortsetter. Et viktig mål er å få på plass en ny kommandostruktur med færre hovedkvarter og underorganer samt en reduksjon i antall stillinger, fra 13 000 til 9 000. En effektiv komitéstruktur og gode interne arbeidsprosesser er en nødvendig del av denne omleggingen. Som resten av verden har også medlemslandene i NATO blitt hardt rammet av finanskrisen, noe som fører til press på de nasjonale forsvarsbudsjetter og krever et tettere samarbeid mellom allierte ved utvikling og kjøp av militære kapasiteter. La meg så av hensyn til de mange som måtte lese referatet bare understreke at årsaken til at det ikke er omtalt i Innst. 413 S eller i mitt innlegg, er at denne innstillingen omhandler rapporten fra 2010, altså før Libya-operasjonen ble iverksatt. Det er to viktige saker som debatteres. Ikke minst forholdet til NATO er av avgjørende karakter for Norge som nasjon. For to dager siden kom jeg tilbake etter et besøk i Afghanistan. Jeg hadde gleden av å møte mange representanter for NATO-land, som er der nede som en del av ISAF-styrken, og andre land som er der gjennom PfP-avtalen. Det som er gjennomgående, og som er særdeles positivt, er ønsket om å gjøre en bedring å ta en risiko i antakeligvis verdens mest usikre nasjon p.t. Det synes jeg er en honnør man skal ta med seg når vi diskuterer disse tingene, at NATO-landene er villig til å ta belastningene og ikke minst kostnadene ved å gjøre slike tøffe oppdrag og å satse på den måten man faktisk gjør. Så tror jeg man rett og slett må erkjenne at dette ikke hadde virket, hadde ikke Det kan godt hende at andre land mener at man gjør det som forventes. Men etter mitt skjønn er det hevet over enhver tvil at NATO og NATOs ressurser ikke ville ha vært i nærheten av det samme hvis ikke USA hadde gått foran og tatt de største belastningene. Vi er godt fornøyd med det vi gjør. Vi satser på mange ting og har et forsvar som er i utvikling. Vi har en åpen og langt på vei velfungerende sikkerhetsdebatt hjemme. Det synes jeg er bra. Samtidig registrerer jeg at forsvarsminister ikke er like imponert over resten av NATO-landene. Det tror jeg vi skal ta med oss som et alvorlig varsko i tiden framover. Jeg vil ikke bli overrasket hvis flere land også innenfor NATO kommer til å lage nye avtaler – bilaterale eller multilaterale, som vi ser at Frankrike og England har gjort på hangarskipssiden – rett og slett, som saksordføreren var inne på, fordi økonomien er så tøff at det blir vanskelig for små og mellomstore nasjoner å prioritere forsvaret framfor andre ting. Politikk handler om å velge. Det handler om prioritering. Jeg tror at enkelte vil måtte erkjenne at man ikke har råd til alt, og man må finne nye samarbeidsformer. Utfordringen da vil være å sørge for at man gjør de smarte tingene, og at man finner gode partnere, som man kan stole på, og at man har en felles kultur, en felles definisjon av hva man skal oppnå. Hvis ikke kommer dette til å kunne bli vanskelig for dem. I så måte er Norge i en særstilling, som har en økonomi som gjør at vi kan gjøre det vi har politisk lyst til, og politiske ambisjoner om. Så kunne jeg tenke meg å si noe om den andre saken, som handler om NATOs parlamentarikerforsamling. Det er et organ der Stortinget har en delegasjon som markerer seg bra, og som gjør en god jobb. Men det hadde vært fristende å spørre utenriksministeren om i hvor stor grad NATOs parlamentarikerforsamling spiller en rolle. Er det sidestilt med det Vestunionen får til? Sidestilles det med andre som produserer rapporter, kommer med uttalelser, som lagres på egnet sted, og dermed er glemt? Hvis det er tilfellet, synes jeg det er skuffende. Jeg håper jo selvfølgelig at det ikke er slik det er, fordi NATOs parlamentarikerforsamling er et sted hvor folk som har et ønske om å ta et ansvar for sine respektive nasjoner og for solidariteten innenfor NATO, faktisk trenger respekt for den jobben man gjør, og fordi man tar opp ting som er av ulik karakter, fra sivile ting som vann- og matsikkerhet til å bekjempe IED-er, veibomber, gjennom å produsere rapporter som går til de respektive nasjonene og til NATOs generalsekretær. Jeg synes man skal ta vare på den slags ambisjoner. At politikere møtes, diskuterer felles temaer og felles problemområder, er kun positivt etter mitt skjønn. Derfor håper jeg det er slik at når man har gjort sine vedtak, man har produsert sine rapporter i parlamentarikerforsamlingen, at de går til de respektive departementene og at man, om ikke annet av respekt, ser gjennom dem og ser om det er ting man kan anvende i den operative og daglige politikken. Hvis ikke har vi deltakere i et organ som møtes for å møtes, og det er egentlig en dårlig måte å forvalte skattebetalernes penger på, og ikke minst tiden til de som er der og gjør jobben sin der nede. Alt i alt er min konklusjon at NATO er en hjørnestein i vår utenriks- og sikkerhetspolitikk. Organisasjonen spiller på mange fasetter – fra den rent militæroperative, skarpeste biten av det NATO gjør, til den sivile biten. Her er et stort spekter og et stort mangfold av tiltak – ikke minst engasjementet som nasjonene bidrar med, og kanskje aller mest: innsatsen til hver enkelt som er ute og gjør en jobb, som de faktisk stiller opp og tar ansvar har på en grundig måte redegjort for komiteens innstilling. Vi slutter oss selvfølgelig til de formuleringer som saksordføreren har ytret i dag. Det er liten tvil om at NATO i dag fremstår som vår suverent viktigste utenrikspolitiske arena. Der er vi faktisk på parlamentarikernivå «hands on» og deltar i den politiske beslutningsutvikling. Det tror jeg utarbeidelsen av NATOs nye strategiske konsept i november 2010 på mange måter har illustrert. Det er ingen tvil om at Norge både på regjeringsnivå og parlamentarisk har satt sine fotavtrykk. fremstår nå som mer potent enn kanskje noen gang, og vil fremstå som det trafikkpoliti i verden som er i stand til å ordne opp der kimen til uro og konflikter vil kunne oppstå. Det er liten tvil om at NATO på mange måter utgjør et slags politisk paradoks internasjonalt. Paradokset har sin grunn i at NATO er den eneste militæralliansen i historien som har klart å overleve sine gamle fiender. Faktisk er det slik at forskere og andre politiske analytikere i stor grad ikke helt har klart å forstå hvorfor alliansen har overlevd, og at den fremdeles blir oppfattet som nyttig og relevant. Den er et sikkerhetspolitisk instrument 20 år etter oppløsningen av Sovjetunionen og Warszawapakten. Det at NATO overlevde den kalde krigen, gjør derfor NATO til et unikt fenomen i internasjonal politikk. Så har både saksordføreren og representanten Ellingsen vært inne på NATOs utfordring, de debattene, denne politiske arena man får anledning til å delta i med partnerskapsland, Midtøsten-land, og ikke minst at Norge har prioritert at NATO skal være opptatt av Russland-spørsmålet. Dette tror jeg er svært og min erfaring – jeg tror det er de flestes erfaring – er at NATO-alliansen og Russland har nærmet seg hverandre. Det er ingen tvil om at det er fellesnevnere som binder sammen NATO og Russland, og det kan på sikt skape en enda større og bedre grobunn for stabil og fredfull utvikling. Stikkord som Iran, stikkord som terror osv. har etter hvert blitt nøkkelord som skaper en Det er også viktig å henlede oppmerksomheten på toppmøtet som var i Lisboa, som var det viktigste på svært mange år. Toppmøtet var en suksess for alliansen, men ikke minst for generalsekretær Anders Fogh Rasmussen personlig, både fordi han ledet alliansen frem til enighet om det strategiske konsept, også fordi han personlig spilte en sentral rolle i utarbeidelsen av enigheten mellom Russland og NATO om missilforsvarssystemet. Etter toppmøtet fremstår derfor generalsekretæren som en politisk leder som alliansens medlemsland i langt større grad enn tidligere støtter opp om. Så var representanten Ellingsen inne på USAs avtroppende forsvarsminister, som har uttrykt sin bekymring for byrdefordelingen, for Europa, hvordan man håndterer forsvars- og sikkerhetspolitikk. Jeg tror det er all grunn til å merke seg bekymringen til USAs forsvarsminister, og det har vi sett tendenser til i utviklingen også etter perioden som denne beretningen handler om, nemlig året 2010. Inngangen til 2011 var klart uttrykk for å ta hånd om strid i Midtøsten, NATO stiller opp gjennom hjemmel i FN-vedtak osv. Men Europas sikkerhet, vår egen sikkerhet og vår egen politikk kan ikke utvikle seg i en situasjon der vi ser at USAs andel av NATOs samlede utgifter stiger faretruende høyt; den har økt med ca. 25 pst. i løpet av de siste ti år. USAs andel av NATOs driftskostnader begynner etter hvert å balansere på et punkt mellom 75 og 80 pst., og slik bør det ikke utvikle seg. Samtidig vil det være alliansens utfordring å sørge for at vi fortsatt er med, er «hands on», og at alliansen som sådan kan bidra til at de nye stormakter, f.eks. India og Kina, også nå bidrar til å ta sin del av ansvaret for fred og utvikling i verden. Det holder ikke lenger å si at nå må andre land stille opp for å rydde opp i Syria. Man har gjort det i Libya, og det er ikke alltid slik at man har råd i USA til å påta seg enhver fremtidig forpliktelse for fred og utvikling. Nå er ikke dette en kontroversiell melding, men det er godt å lese at det er en samlet komité som stiller seg bak den. Og det bringer meg rett over til en kommentar om NATOs parlamentarikerforsamling: Det parlamentariske elementet er veldig viktig i NATO, det har jeg erfart gjennom disse siste årene. Neste uke skal jeg delta på parlamentarikersamlingen i Tromsø, og det er et uttrykk for at i NATO-demokratiene spiller parlamentarikerne en veldig viktig rolle i forhold til forankring og inspirasjon til de vedtakene vi gjør på de kritiske områdene som NATO regulerer. Så til representanten Ellingsen vil jeg bare bekrefte det: Det er et viktig forum. Det er viktig forum for oss å få ut også norske prioriteringer, fordi det vinner gjenklang i de landene som er berørt. Jeg har lyst til å si her at toppmøtet i NATO i fjor var en viktig milepæl i alliansens utvikling. Jeg vil derfor kommentere et forhold som ikke har vært omtalt så mye, som gjelder de endringene og moderniseringene i NATOs kommandostruktur som det ble truffet beslutning om, der man ville redusere antall offiserer fra 13 000 til 8 800. Oppgaven med å bestemme hvor kuttene skulle tas, ble overlatt til forsvarsministrene. Slike beslutninger er aldri enkle. I første omgang kommer kuttene i den operative kommandoen. Hovedkvarterene i Lisboa, Madrid, Heidelberg, Napoli og Izmir legges ned. Nye og mindre hovedkvarterer opprettes på noen av disse stedene, men alt i alt har man nådd målsettingen fra toppmøtet. Det ble tidlig klart i denne perioden at det ikke ville bli gjort vesentlige endringer i transformasjonskommandoen, hvori Joint Warfare Centre på Jåttå er underlagt. Dette er vedtatt videreført på Jåttå i den nye kommandostrukturen, og det er en viktig seier for Norge og også en god kompliment til den kommandoens kvalitet. Jeg har lyst til å nevne det her. Så en kommentar til NATOs stilling her vi nå står, midt i 2011, og det er jo vesentlige forhold som har kommet til etter at denne meldingen ble skrevet, nemlig operasjonen i Libya. Jeg mener at forsvarsminister Gates’ innlegg i forrige uke var en befriende refleksjon – igjen – over at det er demokratier vi snakker om. At en utgående forsvarsminister bruker tiden til å snakke rett ut og gi klare meldinger, det skal vi ta med oss. Vi kan jo også ta med oss at han her anerkjente den innsatsen som Norge har gjort i Libya-operasjonen, uten at vi skal vie for stor oppmerksomhet til det her. Men for å sette hans innlegg noe i perspektiv så er det viktig at også amerikanerne får høre tilbake at de NATO-allierte altså deltar for fullt og tar en betydelig kostnad og belastning ved operasjonen i Afghanistan, som er en utfordring for alle NATO-land, men som er en operasjon hvor USA har ført an, og som de allierte har sluttet opp om. Så byrdefordelingsprinsippet må ses i et litt større perspektiv enn akkurat prosentandeler, slik Gates fremførte det. Når det gjelder Norges rolle, nordområdene i dag er bedre forstått i NATO. Det er ikke et område med økt spenning og behov for en «uroplanlegging» i forsvarsalliansen, men det er en region som er i endring politisk, og hvor nærheten til Russland og samarbeidet med Russland i Arktis og i Barentsregionen er en viktig dimensjon historisk – for dette motsetningsforholdet som var mellom NATO og Russland. Det er jo fortsatt slik at den grensen som vi nå får komplett med Russland, tidligere var øst–vest-grensen, NATO–Warszawapakt-grensen. Dette er nå en grense der vi kan vise mye nytt samarbeid, og det tror jeg er et viktig norsk bidrag til den helhetsforståelsen som er i NATO. I forrige uke kunne vi markere 20-årsjubileum for de baltiske staters uavhengighet, og de bringer til torgs en helt annen erfaring i det naboforholdet enn det vi gjør. Det som er det spesielle ved NATO, er jo at vi slår erfaringene våre sammen til det som blir en fellesnevner. Det tror jeg også blir en viktig del fremover. Til sist vil jeg si at det er gjennom våre NATO-allierte vi er deltakere i en veldig krevende militæroperasjon i Afghanistan, som nå er inne i sin transisjon mot afghansk sikkerhetsansvar. Og vi er gjennom en NATO-kommando engasjert i Libya. Det understreker alvoret vi forbinder med NATO. NATO er ikke en historisk etterlevning, men en organisasjon som i høyeste grad er i stand til å være relevant, og til å svare på behov og

komiteen som har med økonomi og energisikkerhet å gjøre, og jeg kan bekrefte at det er meget interessante samtaler som foregår der – det er viktige ting. Det som har vært på agendaen i flere møter nå, er den økonomiske situasjonen innenfor de 28 alliansepartnerne i de 28 NATO-landene, og der er det meget stor variasjon. Mange land må ta fatt i forsvarsbudsjettet og gjøre drastiske nedskjæringer, opptil 30 pst. og 40 pst. i enkelte land. Da sier det seg selv, når man må gjøre det år etter år, at forsvarsevnen innenfor de enkelte landene er ganske redusert. Da begynner man å drøfte nye måter å gjøre tingene på, og der synes jeg alliansen er høyst oppegående. Ikke minst Fogh Rasmussen, generalsekretæren, var i den siste samlingen i Varna veldig offensiv på det området. Han tok til orde for et mye sterkere flernasjonalt samarbeid innenfor de ulike områdene. Her er nå arbeidet i gang med investeringer og utvikling av den militære kapasiteten i et samarbeid nettopp for å bygge opp kompetansen på trening, øving, nødvendige reformer, omorganisering, felles innkjøp osv. Dette er veldig viktig i den økonomiske situasjonen mange av disse landene befinner seg i. Her må man ha en langsiktig satsing, slik at man får de strategiske kapasitetene vi trenger på plass i den nye militære strategien vi har framover. Men vi må ikke forlate de kollektive kjerneoppgavene og nødvendige ressurser i denne sammenheng. Det er veldig viktig. De grunnleggende strategiske kapasitetene må fortsatt være der. Det er fundamentet for den kollektive militære evnen i alliansen. Så helt til slutt om omorganisering, som utenriksministeren var inne på. Jeg synes det er gjort et godt arbeid, selvfølgelig ikke uten interne stridigheter, nå har redusert hovedkvarterene fra 15 til 7. Det er ganske drastisk blant 28 medlemsland. Heldigvis ble trenings- og omformingskommandoen i Stavanger opprettholdt som et av de viktige hovedkvarterene på det området. Man skal være oppmerksom på at det er her utdanningen til de ulike hovedkvarterstabene nå foregår, stabene både i Afghanistan og i Libya – det er her man nå lærer opp dem som skal gjøre den gode internasjonale jobben for NATO. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 17 og 18. Vi er klare til å gå til votering. Under debatten er det satt fram i alt åtte forslag. Det

partigruppene innstilt på å avstå fra å følge opp sine primærstandpunkter, slik at vi slipper en oppsplittet og til dels komplisert votering. Dette er under den klare forutsetning at det ikke blir brukt mot dem ved en senere anledning.

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Presidenten antar at Fremskrittspartiet og Venstre ønsker å stemme imot.

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling. Under debatten er det satt fram to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet forslag nr. 2, fra Ingjerd Schou på vegne av Høyre og

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er